effekt på noen av de tre. Fremskrittspartiet foreslår en rekke forslag som man sier er store og omfattende. For det første har Fremskrittspartiet jobbet med dette over lang tid. Vi har gjort en grundig jobb og hatt nær dialog med de ansattes fagorganisasjoner – NTL og Parat – fått skriftlige innspill og hatt møter med dem om hvordan man kan omorganisere og hvordan det bør fungere bedre. Vi har hatt tilsvarende runder med både FFO og Handikapforbundet m.fl., og vi har også hatt møter med direktoratet for å skaffe oss kunnskap og forståelse om hva dette handler om. Vi mener vi har gjort en grundig og god jobb på et viktig område som folk hver eneste dag er avhengig av at skal fungere bedre. bedre. Da blir det en mager trøst at man hver gang vi tar opp konkrete forslag for å løse problemer som oppstår i Nav, bare lener seg tilbake og sier at nå går ting bedre. Det har man sagt fra posisjonen hver eneste gang, og jeg har fulgt Nav-reformen helt siden 2005 – hver eneste gang har man sagt det samme. Hvis man mener noe med å skulle klare å få flere inn i arbeidslivet og mindre byråkrati, tror jeg at det er helt avgjørende at man får et forenklet og mer ansvarliggjort partnerskap. Det er en utfordring med dagens partnerskap, det tror jeg alle sammen kan erkjenne. Skal man klare å gjøre de gode grepene for dem som bor lokalt, er man avhengig av at man har sterke, myndige Nav-kontor lokalt som kan ta de gode vurderingene, fatte vedtak og følge opp den enkelte på rett måte. Slik fungerer det ikke i dag. Da mener jeg

at man tar de signalene som kommer fra ansatte, brukerorganisasjonene og den enkelte bruker på alvor og forsøker å gjøre noe med det. Jeg mener som politiker at når jeg ser at jeg har vært med og gjort vedtak, og at de vedtakene ikke fører frem med tanke på det som var målsettingen, er det min oppgave som folkevalgt å korrigere kursen og ta nye grep for å nå målsettingen. Det er det Fremskrittspartiet har forsøkt ved å fremme dette forslaget. For å avslutte: Når jeg hører saksordføreren si at det

det var heller ikke noe som lå i Stortingets mandat, at man skulle oppnevne forvaltningsenheter. Det var bare noe som ble gjort i en budsjettbehandling. Derfor skulle jeg ønske at man hadde fått en mer seriøs behandling av dette forslaget enn det har fått, for det er et viktig forslag for å få Nav-skuta på rett vei, for å oppnå et bedre resultat og ikke minst for å hjelpe flere brukere til å komme inn i arbeid fremfor trygd. Med det tar jeg opp de forslag som Fremskrittspartiet har fremmet i innstillingen. Representanten Robert Eriksson har tatt opp de

grep. Det viser med all mulig tydelighet behovet for noen nye ideer og bedre løsninger, også på velferdsområdet. Når Høyre har gått igjennom forslagene, er det mange forslag vi støtter. Vi har bl.a. vært enig i behovet for et Nav-ombud – ikke for å få et ombud etter modell fra f.eks. barneombudet, men etter modell fra pasientombudet – som skal være en slags fasilitator for dialog, for å bruke en en uttrykksmåte som kanskje kunne kommet fra Utenriksdepartementet, mellom bruker og system. Mange saker kunne kanskje unngått å komme til klagebehandling dersom man hadde hatt en litt bedre dialog – man kunne satt seg ned med en tredjepart og løst det på den måten istedenfor å gjøre det til en langtrukken klageprosess. Vi har flere ganger i denne sal stilt spørsmål ved hvordan Nav styres. Nav er etter vår mening overadministrert og byråkratisert og styres etter det som man litt spissformulert kan kalle det verste fra to verdener, nemlig nyliberalisme og sosialdemokrati. Da får man en kombinasjon av målstyring og detaljstyring som har tjent mange offentlige etater heller dårlig. Det er heller ingen tvil om at samhandlingen mellom Nav og tiltaksleverandørene ikke er god nok. Det er for stort sprik i måten man organiserer det på, resultatene er ikke gode nok, og igjen ser vi at regjeringen har sittet i år etter år, uten å gripe fatt i problemstillingene. Noen av forslagene fra våre venner i Fremskrittspartiet er vi ikke for. Det er kjente uenigheter. Vi er f.eks. ikke tilhengere av at man skal ha en statlig normert sosialhjelpssats. Vi mener at det er et poeng at kommunene fortsatt har et eierskap til sosialpolitikken. Noen av forslagene er vi litt avmålte til, og jeg har lyst til å bruke de siste to minuttene på å forklare det. Det skyldes ikke at vi vet at vi er mot dem, men rett og slett at et av problemene med Nav har vært at de har blitt påtvunget – politikerne har vedtatt – en veldig stor og ambisiøs reform – eller for å være helt nøyaktig: Stortingsflertallet bestemte seg, mot regjeringen Bondeviks vilje, for å gjennomføre en stor og veldig omfattende Nav-reform på en bestemt måte, uten at man hadde noen tanker om hvordan det skulle gjennomføres slik at man nådde målsettingene i praksis. Fra Høyres side er vi skeptisk til om Nav på nytt trenger en stor og omfattende reform, rett og slett fordi det å reformere og endre så grunnleggende skaper en del forstyrrelser i systemet som går ut over brukerne. Det betyr at når man nå skal adressere problemene i Nav i neste periode, bør det sannsynligvis skje ved at man går litt nøkternt til verks og adresserer ett og ett problemområde. Men da er det mange ting som Fremskrittspartiet foreslår som vi burde vurdere. For eksempel er det grunn til å vurdere om hver eneste kommune er nødt til å være pålagt å ha et Nav-kontor. Vi er også mer enn gjerne med på å vurdere om Navs ledelse i dag er et hinder for Navs virksomhet, eller om det tvert imot fungerer. Forskningsrapportene peker i litt forskjellige retninger.

og det er all grunn til å diskutere den. Derfor har man nå satt i gang en svært stor evaluering. Jeg er en av dem som virkelig ser fram til den evalueringen, når den kommer. Jeg har vært med på Nav-reformen helt fra den spede begynnelse på slutten av 1980-tallet, da man begynte å ha lokale forsøk med hvordan de statlige etatene kunne fungere bedre sammen.

hjelpeapparatet. Da handler det sjølsagt om at du faktisk får hjelp, men det handler også om måten du blir møtt på. Med Nav-reformen var i hvert fall utgangspunktet at du skulle møte én dør, og det skulle bli enklere for deg. Det er nok dessverre slik at en del brukere ikke har opplevd det. Det tror jeg vi skal erkjenne. Men det er kanskje litt merkelig å høre på den skarpe kritikken fra Fremskrittspartiet – for jeg har litt hukommelse når det gjelder hva som har skjedd i denne saken. Jeg husker godt de første budsjettene når det gjelder hva som har skjedd i denne saken. Jeg husker godt de første budsjettene da Nav var etablert, der Fremskrittspartiet kuttet svære summer til driften av Nav. Jeg skulle likt å se hvordan Nav hadde sett ut hvis Fremskrittspartiet hadde fått lov til å styre Nav på den tida. Det hadde vært den reneste katastrofe. Så er Nav et direktorat. Det er jo en spesiell form for statlig styring, en måte gir fra oss veldig mye av styringen over organiseringen – hvordan dette skal foregå – men der vi som storting kan gripe inn ved lov og gjøre det. Representanten Røe Isaksen hadde for så vidt et veldig interessant innlegg, der han filosoferte over at når man driver med både målstyring og detaljstyring samtidig, kan det være vanskelig, og man kan få noen resultater som ikke er gode. gode. Det tror jeg så vel på. I den første behandlingen av Nav-reformen etterlyste Stortinget bl.a. noe av det som står i disse forslagene, nemlig at vi skulle få klarere indikatorer på hvordan man måler at man faktisk har gjort det man skal i Nav. Men det er vanskelig – for hva er det som er å lykkes i Nav? Hvis det kommer et menneske dit som har som utgangspunkt at man sjølsagt ønsker jobb, og utgangspunkt at man sjølsagt ønsker jobb, og samfunnet ønsker at flest mulig skal være i jobb, er det jo ikke sikkert at det er mulig. Da kan det hende at en god måloppnåelse er at folk også får hjelp til å ha et godt liv, sjøl om man ikke klarer å komme i jobb. Kvalitetsindikatorer på alt dette kan jo bare være enda mer av det representanten Røe Isaksen advarte mot, nemlig å sette opp en del slike mål- og detaljstyringer, som gjør at man blir enda mer slave av papirer og regler og enda mindre opptatt av møtet med den enkelte i hverdagen, og av å hjelpe dem til å kunne komme i arbeid. Man bør ha en åpning i reglene for å kunne møte folk på en god måte.

tildragelser. Vi fra SV ser fram til denne evalueringen, for det er ikke tvil om at det er grunn til å se på det som nå fungerer i Nav – det er mye som fungerer bedre – men også om det er grunn til å se nærmere på hvordan man f.eks. kan myndiggjøre lokalkontorene mer, slik det har vært enighet om i komiteen og i merknader. Så er det merknader. Så er det heller ingen hemmelighet – og vi har hatt mange diskusjoner om det i Stortinget – at SV ønsker Nav-ombud. Regjeringen har ikke blitt enig om det, men SV mener at det er nødvendig, og at begrunnelsen for det er god, akkurat som det er på pasientombudssiden. For eksempel i Kristiansand, der man har hatt et byombud som har tatt en del av disse sakene, har man jo løst mange saker som ikke bare har hjulpet den enkelte, men som også har hjulpet Nav.

den menneskelige situasjonen som de som kommer til Nav, er i, og dermed fatte kloke beslutninger. Det er gjort mange ting for å forsøke å forbedre det. Det er usikkerhet om innføring av forvaltningsenhetene er så positivt som en kunne ønske, det er mange ordninger og det gjør jo at de som arbeider med det, har en ekstra krevende jobb. Jeg vil si at for at en skal få et bedre Nav, er nok den største utfordringen å få klare politiske prinsipper for behandlinga av sakene – sakene, som altså er mennesker, som er så forskjellige – og da må prinsippene være sånn at en i stor grad har mulighet til å utøve skjønn. Fra min erfaring med Nav, må jeg si at det er flere eldre saksbehandlere i Nav som utøver et praktisk skjønn, som jeg må si er svært, svært forbilledlig. De har oversikten, og gjør at en oppnår det som jeg ser på som det vesentlige, nemlig at en tar ansvar overfor de menneskene som Det som representanten Røe Isaksen sa om målstyring og nyliberalisme kontra detaljstyring og sosialdemokrati, altså begge delene, syns jeg var en god påpeking. For Senterpartiet er det det sentrale at vi har klare politiske prinsipper praktisert av myndige mennesker som utøver grader av skjønn, og som tar ansvar overfor de menneskene det gjelder, og ikke sender dem videre. Men jeg vil understreke at det å arbeide i Nav, med alle de livssituasjonene en ser der, er utrolig krevende. En møter dyktige, engasjerte saksbehandlere som f.eks. har som oppgave å sikre ungdomsgarantier, sikre arbeid for å sikre ungdomsgarantier, sikre arbeid for ungdom som er i vanskelige situasjoner, og mange av dem er i den situasjonen at de har så mange personer som de skal bistå, at det er utrolig krevende å greie å gjøre en god jobb. Ellers har jeg lyst til å knytte noen kommentarer til forslag nr. 5, om sammenslåing av små Nav-kontor. Det er flere måter å organisere dette arbeidet på, og det

for det meste er en fordel. Det er en fordel i forbindelse med arbeidsformidling, og det er en fordel i forbindelse med trygghet for inntekt. Det kan sjølsagt være en svakhet at alle kjenner alle, men jeg må si at det er en langt større svakhet at ingen kjenner noen. Så det er sentralt at en her får en utvikling hvor en beholder prinsippet om at enhver kommune skal være dekket av Nav-kontor, men at en sjølsagt også kan gå inn på et samarbeid mellom kommuner, hvor det er enighet mellom kommunene å gjøre det, altså hvor det her kommer naturlig fornuftig videreutvikling av det som er tidas utvikling. Fra Senterpartiets og regjeringas side sier vi at en skal legge til grunn at alle kommuner skal være dekket av Nav-kontor, samtidig som flere kommuner kan finne samarbeidsløsninger dersom det er enighet mellom kommunene.

Vi trenger også en diskusjon om hvorvidt organiseringen fungerer godt nok. Slik sett er jeg glad for at Fremskrittspartiet fremmer forslag som de mener vil være forbedringer. Det gir oss muligheten til å diskutere veivalg. Samtidig tillater jeg meg å hevde at en del av forslagene fra Fremskrittspartiet bærer preg av omkamp. Det er synd, for jeg mener at vi burde bruke denne diskusjonen til mer enn å diskutere gammel uenighet. Det som er kjennetegnet på norsk politikk og den norske modellen, er at det gjennom politisk kamp og konflikt har blitt etablert kompromisser som det i ettertid har vært konsensus om. Jeg har merket meg at Fremskrittspartiet sier de er sterkt kritiske til den norske modellen, og det kan slås fast at forslagene som nå er fremmet, ikke er noe forsøk på å bygge konsensus om de kompromisser som et samlet storting, unntatt Fremskrittspartiet, sluttet seg til da Nav-reformen ble vedtatt våren 2005. Nav-reformen var, som flere på talerstolen har vært opptatt av i dag, en omfattende reform. Vi kan sammenligne med etableringen av folketrygden. Stortingsmeldingen om folketrygden kom til Stortinget i 1948,

det som er hovedkonklusjonen når det gjelder Nav, er det at det fremdeles er store utfordringer, men at det i hvert fall ikke var bedre før. Jeg mener at det var riktig å etablere Nav-reformen, for det var ikke noe bedre før, da folk måtte gå fra kontor til kontor og ikke få hjelp noe sted. Og mange var på midlertidige ytelser over lang tid. I store trekk er saksbehandlingstiden i dag innenfor de krav som etaten selv har satt. Det er langt flere brukere, både de med helseproblemer og de som er arbeidssøkere, som får oppfølging med sikte på at de skal komme i arbeid. Brukerundersøkelsene viser også en veldig klar framgang. Arbeids- og velferdsetaten skal arbeide systematisk videre med å forbedre seg. Samtidig skal de utvikle moderne IKT-løsninger og iverksette en viktig uførereform. Dette er krevende oppgaver som kommer i tillegg til løpende drift. Jeg kan ikke i dette innlegget kommentere alle forslagene fra Fremskrittspartiet, men jeg vil trekke fram to forslag. Det handler om forslaget om å statliggjøre Nav-kontorer og forslaget om å sette ned et nytt offentlig utvalg. I Nav-kontoret skal brukere med sammensatte bistandsbehov få en helhetlig oppfølging. I tiden framover vil det derfor være økt behov for et tettere samarbeid mellom stat og kommune for å legge til rette for at utsatte grupper blir inkludert og tilknyttet arbeidslivet. Nav-reformen er ung, og det er bare to år siden det siste Nav-kontoret ble etablert. I utviklingen av en ny forvaltningsmodell er to år svært kort tid. Hvis vi gjennom statliggjøring skulle valgt en annen modell for Nav-kontorene nå, ville vi måtte starte en helt ny runde med omorganisering og usikkerhet, framfor å la lokale samarbeidet fortsatt utvikle seg. De siste årene er det vedtatt en rekke reformer – Nav-reformen, arbeids- og virkemiddelreformen, pensjonsreformen, uførereformen – reformer vedtatt etter grundige utredninger og forankret i en helhetlig strategi for arbeidsretting av ytelser og bedre oppfølging av brukere med sammensatte behov. Jeg har tro på at vi over tid vil se resultater i tråd med Nav-reformens overordnede mål, og at det nå er viktig å arbeide systematisk videre med de strategier og tiltak som ligger til grunn for reformarbeidet. En egen offentlig utredning med det mandat som forslagsstillerne her skisserer, vil etter min vurdering ikke bidra til fart og trygghet i den krevende implementering av reformen og vedtatte tiltak for å styrke arbeidslinjen og forvaltningen. Det blir replikkordskifte. Jeg merket meg at statsråden sa at det

For meg fremstår det mer som at en har fått én dør inn til et sted fullt av nye dører, og så kommer en aldri ut igjen. Det er en av de store utfordringene man nå har fått med den fragmenterte organiseringen. Mine spørsmål til statsråden er: Ser ikke statsråden visse utfordringer med omorganisering her for å skape usikkerhet. Det er jo akkurat dette som både ansatte og brukere peker på at man gjerne kunne ha ønsket seg en endring av. Hvilken usikkerhet skaper det at man etterkommer de endringene som selv de ansatte peker på vil være viktige for at de skal kunne gjøre jobben sin bedre? Ser ikke statsråden disse utfordringene med dagens partnerskap? Jeg mener at den arbeidsdelingen som er mellom stat og kommune byr på noen utfordringer, men at den i hovedsak er god. Det skyldes at sosialhjelpsdelen er nært tilknyttet kommunens øvrige tilbud – om bolig, om barnevern, om helsetjenester. Og det er veldig viktig. Hvis man endrer på dette, vil det bli nye koordineringsproblemer. Derfor vil jeg advare mot å endre på den modellen. Når det gjelder Nav-reformens resultater, vet vi at andelen uføre går ned, andelen på helserelaterte ytelser går ned, andelen på sosialhjelp går ned, bl.a. fordi vi har hatt et kvalifiseringsprogram. Jeg mener at vi ser gode tegn til forbedringer, men det er også store forbedringer vi kan gjøre i tiden som kommer. En av de mest etterlengtede og store utfordringene som man står overfor – som regjeringen skal ha kreditt for endelig å ha fått brakt på dagsordenen – er IKT-løftet i Nav, som er viktig for å få en mer effektiv og helhetlig Nav-forvaltning og for å kunne hjelpe flere brukere. Men så lenge man velger å opprettholde det todelte partnerskapet som vi har i dag – et partnerskap mellom stat og kommune – hvorfor har ikke statsråden lagt til rette for at IKT-løftet også skal omfatte og inkludere den kommunale delen av Nav? Så vidt jeg vet og ifølge de tilbakemeldingene jeg har fått, er det ganske klart at det IKT-løftet som skjer nå, skjer i statlig regi, der man ikke kobler på kommunene. Det blir da litt uforståelig for meg når det gjelder partnerskapstenkningen som statsråden tar til orde Vi ønsker å gjennomføre en stor IKT-modernisering som gjør at folk kan få informasjon om hvor saken deres står, og hvor lenge det er til de kan få svar. Det er gjennomført allerede på pensjonsområdet, og veldig mange er inne på Navs sider og får god informasjon om sin pensjon. Jeg mener det er helt naturlig at vi gjør dette på statlig nivå nå. Sosialhjelpen er utformet på en helt annen måte, basert på den enkeltes behov, mindre regelstyrt og mer tilpasset den enkelte.

hvorfor kobler man ikke da tilhengeren på tilhengerfestet og tenker det IKT-løftet inn mot kommunal sektor? Det er spørsmålet mitt. Jeg vil ikke avvise for all framtid at det også kan gjøres. Men hovedsvaret er at den statlige delen av ytelsene er langt mer regelstyrt enn det det er på det sosiale hjelpeområdet. Der skal det tilpasses mye mer de individuelle behovene, slik at det er mye viktigere å få det på plass når det gjelder de statlige Statsråden sier stadig at andelen uføretrygdede går ned. For det første må en selvfølgelig ta summen av både de som er på arbeidsavklaringspenger og de på uføretrygd. Hvis jeg ikke husker helt feil, er den andelen i år 10,7 pst. – det samme som den 2005. Så vet vi at det er ca. 70 000 mennesker som i dag er på arbeidsavklaringspenger. Når deres periode går ut – de såkalte konvertittene – vil de gå over på uføretrygd. Denne regjeringens arv vil være en høyere andel også på uføretrygd. Og alle er enige om at antallet har gått opp. Tar jeg feil i det?

Men det er slik at andelen helserelaterte ytelser har gått ned i perioden. Jeg har lyst til å spørre om en annen ting. Hvis jeg ikke husker feil igjen, har en enstemmig arbeids- og sosialkomité fattet et vedtak hvor man ber regjeringen vurdere å innføre en ordning med pasientombud i Nav.

om nettopp behovet for et pasientombud i Nav. Så mitt spørsmål er veldig enkelt: Hvorfor har det ikke kommet noen vurderinger fra regjeringen etter åtte år på behovet for – eventuelt ordninger for – pasientombud i Nav-systemet? Det er rett og slett fordi vi mener at det ikke er hensiktsmessig bruk av ressurser nå. Vi mener at vi vil legge til rette for en klageadgang, at en kan bytte Nav-kontor hvis en ikke er fornøyd med den behandlingen en får.

Det er riktig at det er flere på arbeidsavklaringspenger nå, men det er fordi den forrige regjeringen, altså den borgerlige regjeringen, etablerte et venterom som kaltes «tidsbegrenset uførestønad». I det venterommet skulle man sitte og vente noen år, for å se om man ble bedre eller om det skjedde noe. Men man hadde ingen rettigheter til å få hjelp fra Nav til å komme i venterommet. SV stemte imot det da regjeringen Bondevik innførte det, nettopp av den grunn. Av den samme grunn slo vi sammen rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad til én stønadsordning. De som var under den, skulle kunne komme til Nav og få arbeidsrettet bistand for å kunne komme i arbeid, slik at en ikke skulle sitte på det venterommet uten rett til noen ting. Da er det litt rart at Høyre nå går opp og klager over at det er flere på arbeidsavklaringspenger nå enn det var på rehabiliteringspenger og attføringspenger. Ja, det er nettopp fordi vi gjorde den bevisste endringen. Så vidt jeg husker, tror jeg faktisk at den endringen også var enstemmig i Stortinget, fordi alle så at det var rimelig. Men da må man ikke tulle med tallene og late som om det på en måte beviser at det har blitt mange flere som står utenfor arbeidslivet. Det er ikke riktig at man skal se på arbeidsavklaringspenger på samme måte som uføretrygd, fordi uføretrygd er en varig ytelse når man har konstatert at man i hvert fall i overskuelig framtid ikke kan være i arbeid. Arbeidsavklaringspenger er ikke det. Arbeidsavklaringspenger er ikke det. Arbeidsavklaringspenger er innvilget nettopp fordi man ser at det kan være en mulighet til å komme i jobb, og at man derfor får en ytelse mens man enten får helsebehandling, kvalifisering eller annen type tiltak for å komme i jobb. Jeg hadde bare behov for å si det, for jeg synes det blir feil hvis man diskuterer dette på feil premisser.

altså 14,7 pst. i 2005 og i 2011. Mitt poeng er bare at før man skryter på seg politiske resultater, må man ta høyde for at regelendringer og nettopp den type forskyvninger eller vedtak, som Karin Andersen snakket om – og som helt riktig var enstemmig – også får konsekvenser for hvilke ordninger folk er på.

fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Dette er også en sak som

Det betyr at man uten tolk ikke har noen mulighet til å kunne kommunisere med mennesker rundt seg, og det er nesten ingen mulighet til å oppfatte hva som skjer der man er, dersom man ikke får det fortalt. Samtidig har man knapt nok anledning til å bevege seg ut av døren uten en ledsager. Vi har det siste året kunnet lese om døvblinde som føler seg fanget i eget hjem på grunn av denne innskjerpingen av regelverket. Og noen av oss har vært til stede på en meget sterk markering på Eidsvolls plass i formiddag, der 20–30 døvblinde med sine tolker var til stede for å gjøre Stortinget oppmerksom på sine opplevelser med systemet. Det er vanskelig ikke å la inntrykkene jeg i dag fikk i møtene med representantene for gruppen, emosjonelt fargelegge dette innlegget.

døvblinde – for det er ikke mer enn noen få hundre i hele landet det er snakk om – skal få leve et verdig liv, litt mer i frihet enn de opplever i dag. Jeg har registrert at det er bevilget litt over 8 mill. kr ekstra til tolketjenesten i revidert nasjonalbudsjett. Det er bra, og det støtter Høyre. Jeg håper denne potten, og at det ikke forsvinner ut i ekstra byråkrati. Samtidig registrerer jeg at departementet og direktoratet tar selvkritikk for prosessen som ledet fram til fjorårets beslutning. Det er også bra, og enda bedre dersom prosessene blir bedre fremover. Men det hadde vært enda bedre dersom Stortinget nå, når vi står helt på tampen av en fireårsperiode, kunne vise litt storsinn i denne saken, og man én gang i denne perioden kunne gå sammen og si: Ja, for denne lille gruppen skal vi nå gjøre et felles løft, for denne lille gruppen skal vi for en gangs skyld droppe det politiske spillet som tilsier at man aldri skal stemme for noe som kommer fra opposisjonen – og derfor skal vi stemme for dette gode forslaget. For jeg er sikker på at vi egentlig er enige her, og jeg er sikker på at dersom representantene hadde stemt etter sin samvittighet, hadde man innsett at det ble gjort en feil, og reversert den innstrammingen som ble gjort i fjor. Jeg har fortsatt troen på at vi kan gjøre det her i dag – sammen. Innstillingen fra komiteen er aktiv og imøtekommende. Den er lett å forstå, den uttrykker vilje til handling. La oss nå gå sammen om å vedta

endring av ønsket aktivitet – det kan være du ombestemmer deg – og formidling av uventede utfordringer er eksempler på kommunikasjonsbehov som kan oppstå, uavhengig av om du har aktiviteten sammen med andre eller ikke. Gruppen døvblinde i Norge er liten og har spesielle utfordringer. Bakgrunnen for representantforslaget er at rundskriv om tolke- og ledsagertjenesten ble endret av Arbeids- og velferdsetaten sommeren 2012. Endringen kom uten en forutgående drøfting med de døvblindes organisasjoner og presiserte hjemmels- og lovgrunnlaget som gjelder på dette området, da spesielt ansvarsdelingen mellom staten ved tolketjenesten og kommunens ansvar for tjenester. Komiteen registrerer at statsråden erkjenner kritikken fra de døvblindes organisasjoner med tanke på manglende prosess og involvering. Komiteen merker seg også at departementet har bedt Arbeids- og velferdsetaten om en lempelig praksis av de nye retningslinjene. De døvblindes organisasjoner, døves organisasjoner og organisasjonene for tolkene er invitert med på en prosess videre vedrørende retningslinjene. Selv om dekningsgraden av tolkeoppdrag i Norge er relativt god, ni av ti oppdrag løses,

Vi legger til grunn at prosessen med de aktuelle organisasjonene blir gjennomført med god involvering og med tilstrekkelig tidsramme til at man reelt sett får en god brukermedvirkning. Den prosessen skal lede fram til mulige løsninger. Økningen på området har vært fra 102 mill. kr i 2009 til 140 mill. kr i 2012. Allikevel

Det forutsetter vi blir ivaretatt fra etatens side. Vi er også gjort kjent med at det er fylker som ikke har implementert rundskrivet, nettopp fordi samhandlingen og opplæringen ikke har vært på plass. Folketrygdens grunnlag for tolketjenesten bygger på § 10-6, som omhandler dagliglivet. Det inkluderer i utgangspunktet ikke trening, sport og hobby, men det er et unntak som likevel hjemler dette hvis det er aktiviteter som har et så stort omfang at det blir ansett som en del av dagliglivet. Da gis det stønad likevel. Vi regner med at det er det som har gitt grunnlaget for praksisen som har vært brukt fram til sommeren 2012. Det kan tyde på at praksisen ikke hadde tilstrekkelig grunnlag i lovverket, og at en endring av rundskrivet må komme som en følge av en endring i dagens lovgrunnlag. Vi mener det er slik at det ikke er riktig av Stortinget nå å be Arbeids- og velferdsetaten endre rundskrivet tilbake til en praksis som vi har funnet ut ikke Da må vi eventuelt gå via en lovendring som gjør lovverket i tråd med den praksis Stortinget legger til grunn. Begrunnelsen for den rød-grønne fraksjonens forslag om at dette skal vedlegges protokollen i dag, er at dette må avklares. Det arbeidet er allerede igangsatt, og vi forventer at hvis det skulle være behov for lovendringer, skal det bringes tilbake til Derfor har man valgt å presisere at selv om det er utenfor lovverket, skal man i denne perioden behandle dette omtrent som om det var under de gamle retningslinjene. Det er å gå langt utover det Stortinget pleier å be en etat om å gjøre. Denne saken har vært så spesiell at vi har valgt å gjøre det likevel. Jeg vil ta opp forslaget som vi har reist i

som skal fungere mest mulig optimalt hver eneste dag, som har det samme behovet for frihet, aktivitet og deltakelse som alle andre mennesker. Derfor er jeg litt skuffet når jeg registrerer svarbrevet fra statsråden og det som kommer frem der, at statsråden erkjenner kritikken, men har ingen planer om å reversere hovedlinjene i endringene i regelverket som ble gjort i 2012. Jeg blir på mange måter både oppgitt og litt – jeg skal ikke bruke det trønderske begrepet, men i hvert fall sint på vegne av de 350 døvblinde. Vi fikk alle sammen nært innblikk i hverdagen til Harald Vik, som sto frem ved flere anledninger i NRK – Harald Vik, en eldre, oppgående, aktiv herremann, som er døvblind, en person som har syklet Norge på langs, har dratt ut i verden og med tidligere sykkelproff Dag Otto Lauritzen. Og som Dag Otto Lauritzen selv sier: Noe av det som ga ham mest motivasjon, var å se hvordan Harald taklet syklingen. Det inspirerer meg og betar meg mye mer enn å se Petter Northug vinne stafettgull i Holmenkollen og ta spurten. Den prestasjonen som Harald Vik har gjort, overgår de fleste idrettsprestasjoner. Da synes jeg det er synd at vi i denne salen – og det gjør meg sint – skal sette mennesker som Harald Vik i husarrest. Hvorfor skal ikke han få den samme muligheten til å drive aktivitet og trening og ha den samme friheten som han har hatt tidligere? Hvorfor skal det være sånn at det er byråkrater som skal bestemme hvor han skal gå på ski, og ikke han selv, alt etter hva som er billigst, og hvordan en kan få ut ledsagerhjelp? Det var ikke et problem for Harald Vik og mange døvblinde tidligere, men det har blitt det nå. Han, sammen med flere, var frustrert over situasjonen i vinter, ble glad litt senere på vinteren og inngangen til våren, da man trodde at alt hadde ordnet seg, og at ting var i orden. Og så får man seg et nytt slag under beltestedet ved at det ikke er i orden. Unnskyld begrepet, president, men dette er å drive ap med folk. Sånn gjør man bare ikke. Det gjør meg også sint. Jeg skulle gjerne ha ønsket at et samlet storting hadde støttet opp om det gode forslaget som Kristelig Folkeparti i dag fremmer. Jeg må si at jeg blir litt forundret over også representanten fra Arbeiderpartiet, som sier at vi ikke kan gå tilbake til en praksis som ikke er hjemlet, men som man gjorde tidligere. Statsråden har hatt rikelig med tid siden denne saken kom opp i media og virkelig eksploderte tidligere. Statsråden har hatt rikelig med tid siden denne saken kom opp i media og virkelig eksploderte tidlig i vinter, til å legge frem de nødvendige lovendringene. Man sa man skulle kvittere det ut. De som sitter i departementet, og statsråden visste helt sikkert da at man trengte en lovendring, men man unnlot å gjøre det. Det er et klart signal om at man ikke ønsker å gi denne gruppen friheten tilbake. Å skyve systemet foran seg som en begrunnelse for at man ikke kan gjøre endringer, synes Det er uverdig at et storting og de folkevalgte skylder på systemet. Er det noen som virkelig kan endre systemet, endre lover, er det denne forsamlingen, og regjeringen og statsråden burde ha lagt frem en lovproposisjon før 1. mai, som de hadde hatt rikelig tid til å gjøre. Da kunne denne saken vært ute av verden.

mener at de nye retningslinjene skal praktiseres «lempelig», og at det er lagt opp til en prosess, slik at de døvblindes behov for tolke- og ledsagerhjelp skal bli ivaretatt på en god måte. Det tror jeg alle sammen er enige om, slik som også saksordføreren sa. Det er en vond sak. Det er flere av oss som har prøvd å forestille seg hvordan man kan være så modig, synes jeg, at man faktisk tør å gjøre sånne ting som mange av dem gjør med ledsagerhjelp, når vi sjøl tenker over hvor redd man kan være i nye situasjoner sjøl om man har sansenes hjelp til å orientere seg og til å kommunisere med omverdenen. Det et lagt inn ganske store, økte ressurser på dette området de siste åra, og det lagt inn ganske store, økte ressurser på dette området de siste åra, og det er veldig viktig, fordi det er det som er grunnlaget for at det skal være nok kapasitet i systemet. Jeg vil også understreke at det er viktig nå at vi sikrer at de bevilgningene som gis, faktisk blir brukt, og at man greier å få til at disse datasystemene som jeg har hørt om i flere år, som ikke kommuniserer med hverandre mellom freelancetolkene og de andre, fast ansatte tolkene, ansatte tolkene, blir i orden, slik at man kan utnytte den tolkekapasiteten som ligger der. Det er uhyre viktig at det ikke sitter noen ledige mens tolkeoppdrag står tomme. Ved ett tilfelle har man også gått inn og løftet lønningene til freelancetolkene, nettopp fordi de lå veldig lavt i lønn. lønn. Det er klart at hvis man skal greie å rekruttere folk til så viktige yrker som dette er, må vi også se på den biten av det og på organiseringen. Jeg vil bare understreke de tingene som også

sjøl om det er noen som har fått avslag på noen av de oppdragene som de har ønsket seg. Det tror jeg ingen av oss egentlig er glad for. Men vi har styrket mulighetene nå gjennom økte bevilgninger, og vi kommer tilbake til spørsmålet om lovendringer, som gjør at vi kan få dette på plass. Dette Dokument 8-forslaget fra Kristelig Folkeparti dreier seg om en ufattelig sak. Det er

I etterkant fikk han et møte med stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet. Jeg traff Vik på gangen etterpå, strålende fordi alt nå skulle ordne seg. Rundskrivet skulle reverseres. Men gleden varte ikke lenge. Da svaret på mitt spørsmål til statsråden kom, var det definitivt at rundskrivets nye ordlyd ble stående, slik statsråden også bekrefter i sitt brev til komiteen. Forrige uke fikk jeg nok en henvendelse fra en døvblind som hadde søkt om døvblindtolk til en fjellvandring og fått avslag. Han søker om en døvblindtolk fordi han skal kunne føle seg trygg under turen og for å kunne oppleve de syns- og lydinntrykk han som døvblind går glipp av, og som han bare kan oppleve gjennom en døvblindtolk. Han har tidligere fått tilsagn om dette. Formålet med turen var å vedlikeholde egen helse – psykisk, sosialt og fysisk. Han fikk avslag. Han har ikke fått informasjon om hvilken kommunal instans han skal henvende seg til har heller ikke kunnet finne det rette tilbudet på egen hånd. Statsråden sier at prosessen rundt endringen i rundskrivet var uheldig, og har lagt opp til en prosess der døvblindes organisasjoner inviteres til å være med på et arbeid der retningslinjene gjennomgås, og der de skal vurdere hvordan kommunene kan settes i stand til å bistå. Men kommunene har null kompetanse om tolking av døvblinde. Derfor har heller ingen med avslag fra Nav hittil fått tilbud om en annen person fra kommunen, for slike personer finnes ikke, sier en av de døvblindes organisasjoner. Døvblindtolker er ledsager, beskriver og tolker. Beskrivelse, ledsaging og tolking kan ikke deles opp. Det er nettopp derfor vi har en treårig utdannelse i dette, i alle tre områder. Det er derfor døvblinde må ha døvblindtolk også i forbindelse med fritid. Det har også med trygghet og sikkerhet å gjøre. Det har allerede vært avholdt møter – to stykker, faktisk, i forrige uke, der døvblindes organisasjoner var invitert. Det første møtet i departementet var om bruken av de friske pengene i revidert nasjonalbudsjett: 8,3 Ingen av tiltakene kommer døvblinde til gode hva gjelder behovet for døvblindtolk til fritidsaktiviteter – altså det som denne saken dreier seg om. Som en sier: Nå kan de skrive at de har møtt oss og hørt oss, men uten at det egentlig påvirker bruken av pengene. Det nye rundskrivet står fast. Det andre avholdte møtet var med Nav og direktoratet, der ordlyden i rundskrivet ble diskutert, slik statsråden sa i komitébrevet at skulle gjøres. Men det blir umulig å forholde seg til en diskusjon om rundskrivet når man er grunnleggende uenig om hva ledsaging og beskrivelse faktisk er for en døvblind. Når ansatte – byråkratene – har et innstrammende rundskriv å forholde seg til og tydeligvis ikke forstår at man for en døvblind ikke kan skille ledsaging, beskrivelse og tolking, ei heller forstå hva det egentlig er, ja, da er det håpløst. Dette er fra organisasjonene som var på de to møtene. Til sist: FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som vi nylig ratifiserte i Stortinget, sier helt klart i artikkel 30 at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta på lik linje med andre, bl.a. i fritidsaktiviteter. Og fritiden for mange døvblinde er

eller annen paragraf i en eller annen lov. Ikke vet jeg, men hvordan i all verden kan man klare å ta fra en liten gruppe døvblinde et tilbud som de har i dag, fordi man skal jobbe videre med noe annet eller muligens et bedre tilbud. De venter ennå på pleiepenger – to år etter at regjeringen lovet å ordne opp. Jeg er så frustrert, og jeg synes det er så meningsløst. Vær så snill: reverser! Det hjelper ikke å gi en beskjed til

Representantforslaget vi behandler i dag, går ut på å forskriftsfeste at døvblinde skal få en rett til tolke- og ledsagerhjelp, til alle aktiviteter, altså hobby- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om aktiviteten skal gjøres i fellesskap med andre. Som forslagsstiller påpeker, er døvblinde en spesiell gruppe som har særskilte behov. Behovet for å kommunisere med omverdenen er annerledes enn for andre grupper. Blant er det mange svært aktive brukere, og det synes jeg er positivt. Det er også viktig å legge til rette for fortsatt aktivitet blant alle landets døvblinde. Derfor er jeg fornøyd med at det er flere som nå får tolkehjelp. I 2009 ble 20 pst. av de oppdragene det ble søkt om, avvist. Nå avvises Det er fortsatt for mange som avvises, og i møte med de døvblindes organisasjoner er de spesielt opptatt av at mange av de korte oppdragene avvises. Det kan være at de skal til legen eller i et møte. Spesielt for en del som bor langt unna sentrale strøk,

forutsigbart. Det er også viktig å se på lønns- og arbeidsbetingelsene for frilanstolker, slik at de kan hjelpe døvblinde over hele landet. Jeg er selvfølgelig glad for at Stortinget er opptatt av situasjonen for de døvblinde, men den situasjonen har vært slik i mange år. Alt var ikke bra før, slik en representant her sier. tvert imot blitt en forbedring. Det har vært en økning i budsjettet til tolketjenesten fra 102 mill. kr i 2009 til 140 mill. kr i 2012, og det har vært en økning i revidert nasjonalbudsjett på 8,3 mill. kr. Det har gitt et bedre tilbud, men det er langt fra bra nok. Bakgrunnen for endringene i var å sørge for bedre utnyttelse av tolkeressursene samt å rette opp i ulik praktisering fylkene imellom når det gjaldt tildeling av tolke- og ledsagerhjelp. For noen brukere – ikke alle – medførte det at de opplevde endringer, og at tilbudet ble dårligere enn det de hadde hatt. Derfor har vi sagt at ingen skal fratas tilbud de tidligere har hatt, for nå skal vi gjennomgå retningslinjene på nytt. Derfor er vi i en prosess omkring dette. Både Nav og Arbeidsdepartementet har tatt selvkritikk for måten dette er gjort på, men det som var hensikten, var å sikre en enhetlig behandling over hele Norge, slik at ikke noen døvblinde i én del av landet hadde et helt annet tilbud enn andre, og mange flere fikk hjelp med det de opplevde som sine hverdagsproblemer. Jeg har lagt opp til en lempelig praktisering av regelverket i en overgangsfase, nettopp for å sikre dette. Fra etatens side er det lagt opp til utstrakt dialog med brukerne og deres hjemkommuner i alle saker der

Jeg har tro på at det arbeidet som nå er startet, vil bidra til å gjøre dette mulig. Det blir replikkordskifte. La meg ta utgangspunkt i det

så man kan gi greie retningslinjer til byråkratiet, som skal utforme reglene? Spørsmål to: Hvorfor er statsråden så opptatt av prosess for å fremme en lovgivning, når vi vet at både de organisasjonene som ivaretar de døvblinde, og de døvblinde selv, sier klart og tydelig at de opplever en dårligere tilgjengelighet nå enn det som var tilfellet tidligere, altså en endring i praksis? Hvorfor, hvis også statsråden ønsker endringer på dette området, Hvorfor, hvis også statsråden ønsker endringer på dette området, har man ikke da bare lagt frem en lovproposisjon som sikrer at man hadde kunnet ha den praksisen – som ble praktisert før juni 2012? Svaret på det er jo at situasjonen heller ikke var god før 2012, og at det var langt flere oppdrag som da ble avslått. Nå er det 10 pst. som avslås, og det er mange av dem som burde hatt tolk. Da synes jeg det er riktig at det viktigste prioriteres først. Det er mange døvblinde som har blitt mye mer aktive. Det er bra, for de døvblinde skal være i fysisk aktivitet. Når det gjelder enkelte oppdrag, f.eks. hvis man skal på en sykkeltur i 30 dager, vil det være noen som får innvilget en slik søknad. Da er det to tolker som er sammen med deg hele døgnet. døgnet. For mange har dette vært et tilbud man har fått, men det er ikke alle som har søkt om den type oppdrag, som har fått det, fordi det har vært andre tolkeoppdrag som har vært mer presserende. Så det kan være grunnlag også for å endre loven, men vi har sett behov for nå å prioritere det som er det viktigste, nemlig hjelp i hverdagen. hverdagen. Det kan ikke være lett å være statsråd akkurat nå, for det er ganske ubegripelig for oss i salen, og derfor sikkert også for det norske folk, at man ikke kan rydde opp i denne saken nå. Jeg er nødt til å sitere det statsråden skriver i sitt brev til komiteen: «Forslaget vil etter min vurdering bety at døvblinde gis en rettighet utover det andre grupper har rett til etter Jeg mener at en slik utvidelse for en bestemt gruppe ikke er å anbefale.» Kan statsråden forklare oss hva som er likheten mellom en døvblind og alle oss andre, som ikke er i denne gruppen, når hun snakker om at døvblinde, enten alene eller sammen med andre, ikke må ha andre tilbud enn andre mennesker? Saken er jo at døvblinde er alene inne i seg selv hele tiden. Selv om de er sammen med andre, skjønner de ikke nødvendigvis hva som foregår hvis ingen kan tolke det for dem. Hva mener statsråden? Det jeg mener med det, er at hvis kommunene ikke lenger skal ha ansvar, Så kan det være grunner til å endre loven på dette området. Men det som har vært viktig, er at også med eksisterende retningslinjer, også med eksisterende lov, skal det gis støtte til fritidsaktiviteter. Dette skal også gis i tiden som kommer. Da er siste replikant representanten Laila

og det dreier seg om fritidsaktiviteter. Ute på Løvebakken i dag traff jeg mange døvblinde. Én etter én kunne fortelle at de hadde mistet tilbud i kommunen. La meg lese en e-mail jeg fikk i går kveld: «Jeg har i dag fått avslag på ledsager til kurs i forbindelse med jobb, fikk samtidig vite at jeg ikke lenger får ledsager hverken til kurs på Eikholt, flyreiser, feriereiser eller andre situasjoner

styrking. Men fremdeles får en del avslag på sine søknader om tolk. Når det gjelder de øvrige døve, har de hatt en noe mindre økning, fra 73,5 mill. kr til 97 mill. kr. Så det er klart at en del av den økningen også vil komme de døvblinde til gode. Det står også i protokollen fra det siste møtet som vi Statsråden har kanskje vært enda klarere i dag enn hun var i brevet til komiteen på at hun har gitt Nav – det står det for så vidt også – ordre om at de skal gi, ikke direkte det tilbudet man har hatt før, men at man skal gjøre det lempelig. Representanten Tove Linnea Brandvik sa i dag at det skal håndteres omtrent som om det gamle regelverket gjelder. Da er det helt ufattelig for meg at man ikke kan si til Nav at de skal la det gamle regelverket gjelde, i det minste inntil vi har fått jobbet videre og kanskje funnet andre ordninger for disse korte oppdragene, som jo ikke dreier seg om fritid. En del av de korte oppdragene handler også om fritid. Og det handler om folk som bor langt unna sentrale strøk, for det har vært mye dyrere for dem å få døvetolk enn for andre. Så det er feil det representanten sier. Det vi har sagt til Nav, er at vi mener at denne prosessen har vært uheldig, for de har ikke endret loven, men de har sendt ut noen retningslinjer, og de har gjort det helt uavhengig av å snakke med organisasjonene. Det mener jeg er feil. Derfor skal det ikke være slik at de som har hatt et tilbud tidligere, skal fratas det med en begrunnelse i retningslinjer. Det betyr ikke at alle får de tolkeoppdragene som de har søkt om, for slik har det vært lenge, at dette har vært en presset ressurs, og at ikke alle har fått det de har behov for.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

Hun sier: «Jeg føler meg helt tom. Det kreves så mye ekstra energi til plutselig å finne noen til å ledsage meg under løp eller til fysisk aktivitet. Jeg tilhører gruppen som mange ser som usynlig. Jeg snakker tydelig samtidig som jeg har et alvorlig hørselstap. Tar jeg av høreapparatet hører jeg ingenting. Da kan jeg ikke oppfatte tale. Når jeg trener blir jeg svett og da går høreapparatet i stykker. Derfor kan jeg ikke ha det på, men trenger noen som kan tegnspråk til å løpe sammen med meg.» I tillegg til å være døv er hun blind. Øie Rasmussen sier videre at før reglene ble endret, kunne hun bestille tolk hos hjelpemiddelsentralen til treningsturer, løp og ritt. Men fordi hun driver individuell trening, tolkes reglene dit hen at hun ikke trenger tolk, fordi hun ikke trenger å kommunisere når hun løper.

eller en foreldresamtale – som er blitt trukket fram her – har i hvert fall ikke en varighet på over tre kvarter. Så hvis det er korte oppdrag, er en treningstur på 45 minutter akkurat like lang. Det har vært snakket om sentrale strøk kontra distrikt. Til Halden er det 12 mil, googlet jeg meg fram til. Jeg tror Østfold regnes som sentralt strøk. strøk. Det statsråden og regjeringen prøver å framstille det som her, er ikke den virkeligheten de 350 menneskene som er døvblinde, opplever. De har fått et dårligere tilbud enn det de hadde før 2012. Regjeringen og statsråden må gi tydeligere signaler. Jeg synes synd på embetsverket, som jeg har sittet og fulgt gjennom denne saken. De har ikke hatt det lett på grunn av de signalene som har vært gitt. Jeg må bare si at jeg er

om alle avslagene som er gitt med den begrunnelse at kommunene skal overta, og at Nav nå har endret regelverket. Dette er realiteten – slik er det. Kommunene har ingen kompetanse. Det tar altså tre år å utdanne en døvblindetolk. Jeg har lyst til å ta historien om pleiepenger. Det er den samme regjeringen, det er den samme statsråden – ikke

Ja, men nå skal vi gjennomgå det. Jeg sto og sa – akkurat det samme som nå: Hvorfor blir det kuttet før man har fått en annen og bedre ordning? Det ble gjort. Så sa man at man skulle legge dette inn til et utvalg – Kaasa-utvalget – som da skulle se på pleiepenger. De skulle snart komme tilbake til Stortinget. Det kom en omsorgsmelding til helseministeren som har vært behandlet i denne salen. salen. Der er det lagt opp til to prosjekter – eller i hvert fall et stort pårørendeprosjekt. I første fase skal man gjøre én ting, og i andre fase – om noen år, sikkert – skal man komme tilbake til de økonomiske ordningene knyttet til omsorg og pleiepenger. Så tror statsråden og regjeringspartiene her i dag at vi skal tro på at dette løses for denne gruppen. Det er ikke troverdig. Jeg skulle så gjerne ønsket at jeg kunne trodd det. Statsråden vil ikke gjøre noe annet enn å be de døvblinde klage hvis de ikke får det de har bedt om.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

Det er ingen som mener at det skal være sånn at noen som ønsker, kan og vil i jobb, ikke får tilstrekkelig hjelp – med helseproblemer, kompetansemangel – eller andre tiltak for å komme i arbeid. Derfor er mange at de forslagene som er fremmet i dag, forslag som vi framover er nødt til å vurdere. Men regjeringen jobber nå med en stortingsmelding som er varslet til Stortinget, om en gjennomgang av store deler av arbeid. Det er viktig at den kommer, for vi vet at det er en del mennesker som absolutt trenger å få bedre tilrettelagt hjelp for å klare å komme i jobb. Når det er sagt, har jeg også behov for å si at alle i samfunnet er akkurat like mye verdt, å si at alle i samfunnet er akkurat like mye verdt, enten en er i jobb eller ikke. Det å være en likeverdig medborger i samfunnet må ikke knyttes til det å være i jobb. Det er behov for å si det, for denne diskusjonen rundt «utenforskapet» – som er et begrep som høyresida prøver å introdusere, også i denne saken – handler tydeligvis om noen som i samfunnet. Hovedkriteriet for å komme inn i den statistikken er ikke nødvendigvis knyttet til om du har arbeid eller ikke, men at du mottar en ytelse. Det å motta en ytelse er en rettighet, og en nødvendighet, fordi det hindrer fattigdom hos dem som ikke har arbeid eller helse til å arbeide.

og at det er mange flere utenfor arbeidslivet nå enn før. Det stemmer ikke, og det blir heller ikke flere tapte årsverk nå enn det var før. Det man selvfølgelig må gjøre, er å ta hensyn også til befolkningssammensetningen når man ser på ulike typer statistikker, og da har f.eks. andelen på uføretrygd gått ned de siste

får uføretrygd i ung alder, er det veldig alvorlige diagnoser. Noe av økningen, skriver Nav sjøl, kommer jo av bedre medisinsk behandling nå – altså av at folk faktisk overlever – og av at folk i dag får inntektssikring, som de ikke fikk før. Jeg har lyst til å si dette, for jeg mener at når vi nå skal behandle den stortingsmeldingen som regjeringen kommer til å legge fram,

Derfor er vi imot de kuttene i overgangsstønaden som opposisjonen foretar. Jeg er helt enig med representanten Andersen i at vi skal ha gode ordninger som sikrer inntekt for dem som av en eller annen grunn jobbe. Det er heller ingen grunn til å skamme seg over det hvis man er syk, enten man har fått en sykdom, er født med en sykdom, eller har vært i en ulykke og fått en sykdom på den måten. Derfor er det også viktig å si at i et velferdssamfunn som Norge skal vi ha anstendige og gode velferdsordninger for dem som ikke er i stand til å skaffe seg inntekt i arbeidslivet. Det er faktisk slik at hvis vi i virkelighetens verden hadde hatt null Så det at vi har inntektssikringsordninger, er vi for. Det som er bekymringen vår, er ikke bare basert på statistikk, selv om jeg jo også må minne om at det, litt avhengig av hvor man setter før-tallet, har vært en stor og kraftig økning av mennesker på helserelaterte og andre offentlige ytelser de siste

den står på stedet hvil – det er bare 9 pst. som er utenfor arbeidslivet, så derfor er ikke dette en problemstilling. Det tror jeg ingen politiske partier kunne sagt – i hvert fall ikke blitt gjenvalgt på – og jeg tror heller ingen politiske partier ville våget å mene det. Så er det selvfølgelig riktig at det er mange og kompliserte årsaker til at folk faller utenfor arbeidslivet eller aldri kommer inn. Men det vi som politikere må adressere, er de årsakene vi faktisk kan gjøre noe med. med. Da er det ikke så mye det at regjeringen har gjort så mye galt i de åtte årene de har sittet, det er mer at de ikke har gjort så fryktelig mye. Litt av problemet er at hver gang denne debatten har kommet opp, har de rød-grønne partiene først advart mot Høyres virkelighetsbeskrivelser, så har de brukt taletiden sin på å advare mot Høyres ord og med vilje unnlatt å høre når vi understreker at vi også er tilhengere av offentlige ordninger for dem som trenger det, og så har man advart mot Høyres konkrete tiltak – de nye ideene og bedre løsningene som Høyre faktisk har fremmet. For eksempel har Høyre i flere år tatt til orde for en styrket lese- og skriveopplæring for de mange i Nav- og tiltakssystemet som ikke kan lese og skrive godt nok. De mangler ikke stå-på-vilje eller evne til å stå opp eller noe slikt, de har rett og slett problemer med å lese og skrive. Det har regjeringen sagt at de er opptatt av, men ikke gjort noe med det. Da Høyre lanserte tiltak for å få flere sosialklienter inn i aktivitet gjennom en styrking av aktivitetsplikten, sa regjeringen at det skulle man vurdere. Så bestemte man seg for at det var fint, akkurat som i dag. Da Brofoss-utvalget kom med en gjennomgang som var basert på at tiltakssektoren i Norge – selv om det er mye bra – ikke leverer de resultatene man skulle forvente, og som da gjør at vi sender folk rundt og rundt i tiltakssystemet uten at de kommer ut i jobb, måtte statsråden og regjeringen nærmest dras til å innrømme Stortinget en melding om saken. Dette er elleve konkrete forslag fra Høyres side. Noen av forslagene er relativt omfattende, f.eks. å lage helt nye indikatorer for hvordan man styrer tiltakssektoren. Andre av forslagene burde være enklere, f.eks. å sette i gang lese- og skriveopplæring for flere voksne. Det de alle sammen har til felles, er at de enten er blitt nedstemt eller ikke lagt fram av den rød-grønne regjeringen de siste åtte årene. Det vitner om en manglende handlekraft dessverre. Én ting til slutt, siden jeg har 46 sekunder igjen: Overgangsstønaden har vært diskutert flere ganger tidligere i denne salen. Det er bare verdt å merke seg at selv om det er riktig som representanten Andersen sier, at de rød-grønne i denne perioden har fredet overgangsstønaden, så jeg at Arbeiderpartiet i sitt partiprogram faktisk har adoptert som Høyre fikk kjeft for i denne sal for bare ett til to år siden. Så det er hyggelig å se at i hvert fall deler av den rød-grønne koalisjonen kommer etter. Da vil jeg ta opp de forslagene som Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har i denne saken. Da har representanten Røe Isaksen tatt opp de forslagene han refererte til. Til tross for at Norge har høy sysselsetting, er det
ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Jeg ønsker et inkluderende arbeidsliv som kan romme flest mulig, samtidig som Arbeids- og velferdsetaten og leverandører av attføringstjenester skal sørge for at flest mulig skal kunne delta. Jeg er positiv til flere av disse forslagene, og regjeringen vil diskutere flere problemstillinger som er fremmet her, i den kommende stortingsmelding om arbeid. Jeg har kommentert alle enkeltforslagene i svarbrevet og vil derfor kommentere kun noen av disse nå. Men la meg først gå til det overordnede bildet om at det er flere på helserelaterte ytelser enn tidligere, hvis vi sammenligner med 1980-tallet. Det er riktig. Men samtidig er det en annen sterk trend siden jeg var ung på 1990-tallet. Det er at andelen sosialhjelpsmottakere har gått ganske mye ned. Det skyldes jo at vi stadig stiller økte krav til aktivitet. Det er viktig. Men det som Høyre foreslår, er jo noe samtlige høyrekommuner – enten det er Oslo, Tromsø, Bergen eller Stavanger – går inn for, nemlig at man skal ha en bestemmelse i loven om at man skal stille krav. Det vil være uheldig, for de som får tilbud om sosiale tjenester lokalt, er jo folk som både kan arbeide, kan arbeide, kan få tilbud om aktivitet hvor de kan delta, og mennesker som ikke har noen mulighet til å delta på aktivitet – som f.eks. eldre mennesker. Så jeg mener at det er et lite hensiktsmessig forslag. Samtidig er det også feil det representanten sier om overgangsstønaden. Vi har jo gjennomført ganske store endringer av overgangsstønaden og stilt krav om aktivitet. Det er jo pussig at representanten fra Høyre vil utvide ordningen med kontantstøtte, som ikke har et eneste krav om aktivitet, og fjerne overgangsstønaden før han og Høyre har fått på plass et alternativ – i hvert fall for dem som har barn over et år. Så da mener jeg at vi skal jobbe stadig for endringer av overgangsstønaden, men vi vil jo ikke ta bort en støtte til enslige forsørgere som fungerer godt, og som kan videreutvikles, før vi har noe annet og bedre på bedre på tapetet. Det som er viktig når det gjelder lavinntektsfamilier, er at det er veldig mange enslige forsørgere. Det å ta fra dem et tilbud nå, mener jeg er galt. Forslagsstillerne mener altså at arbeids- og velferdsetaten har for mange mål å styre etter, og ber derfor om en gjennomgang av styringen av etaten. Jeg vil minne om at det har vært en bevisst reduksjon i antall mål som det enkelte Nav-kontor rapporterer på. Det er en god og pågående dialog mellom departement og direktorat om dette. pågående dialog mellom departement og direktorat om dette. Jeg mener det er lite hensiktsmessig å sette i gang en parallell gjennomgang av etatstyringen. Det er viktig å få informasjon om effekten av de ulike arbeidsmarkedstiltakene. Den kommende stortingsmeldingen om flere i arbeid vil belyse bl.a. regjeringens politikk på områdene forskning, oppfølging og evaluering av ulike tiltak. Vi har allerede satt i gang et treårig forsøk med resultatbasert finansiering av arbeidsrettede tiltak for å se om dette kan gi bedre resultater enn dagens finansieringsmodell. Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter i dag et tilskudd til sosiale entreprenører som arbeider for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Erfaringene fra denne tilskuddsordningen og andre virkemidler for å tilrettelegge for sosialt entreprenørskap og innovasjon vil bli vurdert i 2013. Stortinget vil bli orientert om status for dette arbeidet i statsbudsjettet for 2014. Så til forslaget om tidsbegrenset arbeidsskattefradrag og overgang fra trygd til arbeid. Det er vi motstandere av, så det skal jeg ikke si at jeg er tilhenger av. Når det gjelder dem som er unge utenfor arbeidslivet, og som krever bedre oppfølging, har vi gjort noe med disse gruppene, bl.a. innført ungdomsgaranti, men det er absolutt behov for å se på kvaliteten på attføringsarbeidet for å sikre at flere kommer over i arbeid.

Arbeiderpartiet går lenger i sitt program. Arbeiderpartiet sier at overgangsstønaden skal erstattes med en annen egnet stønad. Det er helt riktig som statsråden sier, at den rød-grønne regjeringen i denne perioden har sagt de er for overgangsstønaden. Men Arbeiderpartiet går til valg på at overgangsstønaden skal fjernes – bort – og erstattes med en annen type stønad som oppmuntrer og arbeid. Har jeg misforstått noe i Arbeiderpartiets program? Det som er forskjellen på Høyres politikk og Arbeiderpartiets politikk, er at vi fjerner ikke støtten til dem som har barn som er to og tre år før vi har et alternativ. Det er viktig at de som har små barn og er aleneforsørgere, har en inntektssikring. Så har vi krav om aktivitetsplikt i dagens overgangsstønad. Hvis vi skal gjøre om på den ordningen, er det helt uaktuelt å gjøre som Høyre sier, og ta vekk den økonomiske støtten til dem som har toåringer og treåringer. Neste replikant

Det betyr i hvert fall ikke at vi vil ta bort det økonomiske grunnlaget for aleneforsørgere, slik Høyre foreslår. Vi vil arbeide for en endring av overgangsstønaden. Vi vil jobbe enda mer for arbeidsrettede tiltak. Mange aleneforeldre får en bedre situasjon når de kommer over i jobb. Det å styrke arbeidslinjen, er viktig, men det å ta vekk inntektssikringen først, slik Høyre foreslår, er ikke vår politikk. Da ønsker representanten Røe Isaksen ytterligere en replikk, og det

eller har man programfestet – som det står på linje 2101 – å erstatte overgangsstønaden for eneforsørgere etc.? Betyr det at overgangsstønaden vil bli borte? Det er et ganske enkelt spørsmål. Det som er viktig for Arbeiderpartiet, er at det skal være en økonomisk støtte til de aleneforsørgere som er i aktivitet. Det er vår politikk, det Så vil vi se på endringer av overgangsstønaden for å bidra til en enda mer arbeidsrettet ordning. Men det å frata aleneforsørgere inntektssikring, det ønsker vi ikke. Representanten Røe Isaksen tok allikevel ikke hintet. Beklager, president, men i denne programformuleringen står det ingenting om at man skal innføre en alternativ inntektssikring målrettet mot eneforsørgere. Det står at man skal erstatte overgangsstønaden for eneforsørgere med aktivitetsrettede tiltak og barnehageplass etter at barnet er fylt ett år. Det er pussig hvis Arbeiderpartiet mente at man skulle erstatte det bare med en ny ordning direkte for eneforsørgere, at man ikke programfestet det. Eller er det noe annet som ligger bak? Jeg spør igjen: Kan statsråden garantere at overgangsstønaden vil overleve i fire år til hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering? Det jeg kan garantere, garantere, er at aleneforsørgere skal ha støtte på samme nivå. Vi vil ikke ta fra aleneforsørgere støtte. Hva ordningen heter, vil vi komme tilbake til, men at vi ønsker en ordning som bidrar til at aleneforsørgere får midler slik at de ikke kommer uforholdsmessig dårlig ut, det er det vi står for. Det er ikke det samme Høyre har foreslått i denne saken. De har foreslått å fjerne overgangsstønaden for dem som har barn over ett år.

finnes dessverre veldig lite statistikk om arbeidsdiskriminering, og det håper jeg man kan legge merke til når man nå skal utarbeide en stortingsmelding – at på dette området mangler man det statistiske grunnlaget for å ta beslutninger. Jeg vil gi et bilde på hva vi snakker om av diskriminering på et generelt grunnlag – som dekning for påstanden om diskriminering. Eksemplene er stort sett tatt development». En europeisk undersøkelse viser at bare 50 pst. av dem som har psykiske utfordringer, får hjelp. Har man diabetes, er sjansen for å få hjelp 92 pst. I en undersøkelse gjort i 63 land, er det bare fire land som ikke har restriksjoner på stemmeretten til dem med psykiske tilstander. I Norge og USA kan man nektes forsikring om man har et alvorlig psykisk helseproblem. Det er litt mer alvorlig i USA, hvor helsesystemet er basert på forsikringer. Med slike understrømmer er det ingen grunn til å tro at diskriminering ikke gjelder i arbeidslivet her hjemme. De få tallene vi har, viser at psykisk lidelse er den usynlige diagnosen som fører til diskriminering når den blir kjent. Da sier det seg selv at en handlingsplan for arbeid og psykisk helse er viktig, og det at man lykkes med inkluderende arbeidslivsavtalen, er viktig. Vi gjør de psykisk syke en bjørnetjeneste dersom vi ikke har mer fokusering på den jevne arbeidsgivers ansvar for den psykisk syke. Bevisbyrden må snus. Det er bra at det tas opp særtiltak, men det er viktig at det ikke bare er særtiltak. Hele arbeidslivet må være inkluderende. Noe av det som Noe av det som mangler, er kunnskap om psykiske lidelser. I Arbeiderpartiets partiprogram står det at man ønsker et kunnskapsløft på dette området, og det håper jeg at tas med i arbeidet som skal gjøres med stortingsmeldingen. Til slutt: Å ikke-diskriminere krever jevnbyrdighet; at psykisk syke blir tatt på alvor som jevnbyrdige samfunnsborgere, og at flertallet tar et oppgjør med bruken av ordet «utenforskap», om oss som er annerledes. Vi er – og skal være – en del av samfunnet, om vi kan arbeide eller ikke. Først vil jeg takke representanten Yrvin for det innlegget. Jeg burde også ha sagt noe i mitt innlegg om det som hun pekte på nå, for dette er veldig viktig. viktig. Det foregår diskriminering i arbeidslivet. Man blir diskriminert av ulike grunner, fordi man har vært syk, har hull i CV-en, eller fordi man har psykiske problemer. Det er helt riktig – som representanten Yrvin sa – at vi også er nødt til å se på hvordan arbeidslivet fungerer, om man virkelig er villig til å ta imot folk med helseproblemer. Høyresidens manglende innsats mot sosial dumping kommer her i et grelt lys, for det er manglende innsats mot sosial dumping kommer her i et grelt lys, for det er klart at i et arbeidsliv som blir tøffere, med mindre beskyttelse enn i dag, vil det ikke være mulig for folk med helseproblemer å fungere, enten problemene er fysiske eller psykiske. Men man ser kanskje litt mer lempelig på å ta inn noen som kan jobbe døgnet rundt for dårlig betaling i en kort periode, inntil også de blir Så til diskusjonen om ytelser mens man kvalifiserer seg. SV er veldig tilhenger av det, og vi er veldig tilhenger av overgangsstønaden – eller hva man nå kaller den. Jeg registrerer diskusjonen her nå. Poenget er at man kan kikke i budsjettene. Der har Høyre og Fremskrittspartiet fjernet over 1 mrd. kr på årsbasis, og det er de pengene familiene som har to og en pengene familiene som har to og en halv gang så stor sjanse som andre til å bli fattige, skal leve av mens de kvalifiserer seg. Det er kravet i dag, og pengene er borte. Jeg tror dette er viktig for disse familiene. Fremskrittspartiet går også til det skritt å fjerne Jobbsjansen, som jo også er en ordning som skal hjelpe folk som står utenfor – særlig gjelder dette innvandrerkvinner – med motivasjon og støtte for at de skal kunne komme i jobb. Også den fjerner Fremskrittspartiet. Dette er jo ordninger som faktisk får folk som står utenfor arbeidslivet, i jobb, og de er evaluert. Fafo har evaluert hvordan overgangsstønaden virker. Den virker mest for innvandrerkvinnene. Folk kommer i jobb. Så går man løs på det, og da blir dette veldig vanskelig å forstå. Skjønner man ikke at det å ha en trygg inntektssikring mens man kvalifiserer seg for arbeidslivet – enten man er i en vanskelig sosial situasjon, en vanskelig helsesituasjon, eller det har skjedd et eller annet i livet som har gjort at man ikke har greid å stå i jobb – er nødvendig for at folk skal få et fotfeste? Skjønner man ikke at det faktisk er lurt å gjøre det? I tillegg er det jo sosialt riktig, Det skal vi diskutere mer etterpå. Dette er jo en av de viktigste ordningene vi har, fordi den kombinerer sikring av inntekt mens du kvalifiserer deg for arbeidslivet. I stedet køler man på med kontantstøtte, som er betaling for å holde folk unna arbeidslivet. Jeg hører at en del fra regjeringspartiene snakker mye om annet enn det som ligger i dette forslaget, som Kristelig Folkeparti mener er

arbeid. Det som har vært en gledelig utvikling når vi snakker med en del av arbeidsmarkedsbedriftene, er at det sies – i alle fall fra noen – at de faktisk får flere folk ut i det ordinære arbeidet nå enn tidligere. Det er veldig gledelig. Jeg, personlig, har vært på besøk hos Telenor ute på Fornebu. De har to prosjekt, Telenor Open Mind og Telenor Integration, Integration, som faktisk klarer å få mennesker som har hatt vanskeligheter med å komme i arbeidslivet, ut i jobb igjen. Men det krever en litt annen tiltaksstruktur enn det som ligger i systemet i dag, for – som representanten Røe Isaksen også var inne på – mange går fra tiltak til tiltak. tiltak. Vi vet også altfor lite om effekten av mange av de tiltakene som vi bruker i dag. Egentlig tok jeg ordet for å vise til en undersøkelse som Arbeidsforskningsinstituttet kom med i 2012, som helt sikkert både departementet og statsråden kjenner til, men som jeg synes vi skal minne hverandre om. Arbeidsforskningsinstituttet påpeker at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet. Analysen viser at samfunnet vil spare milliarder ved å få flere i jobb. De skriver på sine nettsider at en økning på 5 pst. i f.eks. arbeidsdeltakelse vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på om lag 13 mrd. kr over en tiårsperiode. Hver enkelt nye arbeidstaker vil i tiårsperioden bidra med en samfunnsøkonomisk gevinst på nær 900 000 kr. Spennende tall, en vinn-vinn-situasjon, men da er det utrolig viktig å vite at de tiltakene vi setter i gang, virker. Jeg tror at for mange av dem som har nedsatt arbeidsevne, vil det kanskje være viktig å få et noe lengre tiltak, i stedet for å måtte gå noen måneder på hvert tiltak og så ha et opphold imellom, slik vi ser at mange har det i dag. Så har jeg lyst til å slå et slag for at det offentlige går foran med et godt eksempel. det offentlige går foran med et godt eksempel. Det offentlige er nesten fraværende når det gjelder å ta inn mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Der burde vi gjort en kraftanstrengelse alle sammen. Jeg er veldig glad for at dette representantforslaget er fremmet, og som man ser, er det en opposisjon i komiteen som støtter alle forslagene, og som ønsker et krafttak for å hjelpe flere til å realisere drømmen om å være en del av arbeidslivet og det inkluderende samfunnet. Derfor hadde det vært godt om også flertallspartiene hadde kommet oss litt i møte på det, men jeg tror nok at undrenes tid nok er forbi, så man kan nok at undrenes tid nok er forbi, så man kan ikke forvente det. Det som fikk meg til å ta ordet, var bl.a. det som representanten Karin Andersen henviste til. Ja, Fremskrittspartiet ønsker å redusere overgangsstønaden fra tre år til ett år. Ja, Fremskrittspartiet ivaretar de som er de mest sårbare. Både de som går på utdanning, og de som har syke barn, skal kunne beholde stønaden lenger og i inntil tre år. Jeg synes at måten SV nærmer seg dette på, blir litt merkelig, i den forstand at man nærmest definerer alle enslige mødre som får rett til overgangsstønad, som fattige. Det er jo ikke situasjonen. Det er jo ikke tilfellet – langt derifra. Jeg synes det er en litt merkelig form for retorikk når man står på denne talerstolen og sier at dette virkelig vil ta vekk fundamentet for dem som er mest sårbare i forhold til fattigdomsbekjempelse. Det

Man foreslår altså å fjerne overgangsstønaden. Vi foreslår at man i alle fall skal beholde overgangsstønaden. Vi ble kjeftet huden full i denne salen. Samtidig – og det er jo helt uforståelig – går representanten Karin Andersen i strupen på Fremskrittspartiet på grunn av dette, men ivrer etter å få sitte i en regjering som vil fjerne den ordningen Fremskrittspartiet ønsker å beholde. Det synes jeg blir litt merkelig, men jeg registrerer jeg vil bruke Karin Andersens egen retorikk – at Karin Andersen og SV ivrer etter å få lov til å sitte i regjering med et parti som er dominerende, og som vil fjerne en av de viktigste ordningene for å bekjempe fattigdom. Det synes jeg er interessant. Først vil jeg si at det representanten Eriksson sier om overgangsstønaden, er feil. Du får ikke overgangsstønad hvis du ikke er

men jeg registrerer at vi er enige om at de pengene ikke skal tas fra de enslige forsørgerne. De skal ha inntekt mens de kvalifiserer seg, for det virker, og det er jeg veldig glad for at blir sagt nå, og det kommer til å være det SV står for, uansett, fordi vi vet at det virker. Det å holde denne ordningen oppe, hindrer massiv fattigdom, og det hjelper folk til å kvalifisere seg, for det har Fafo gått igjennom – de har undersøkte ordningen, og den virker! Så jeg kan ikke forstå hvordan representanten Eriksson kan tolke det de sjøl har foreslått som noe annet enn det det faktisk er, også på Jobbsjansen, fordi innvandrerkvinner ikke skal få noe mer hjelp enn noen andre – sjøl om de står langt fra arbeidslivet, sjøl om vi vet at de kanskje ikke engang få støtte hjemme hos seg sjøl for å kunne tørre å tenke tanken om å begynne i den jobben. Men neida, det skal vi ikke ha. Men kontantstøtte skal de få – for å være hjemme og for å holde ungen sin unna barnehagen – og etterpå klager man over at ungene ikke kan norsk når de begynner på skolen. Det er gale ordninger Fremskrittspartiet foreslår. Regjeringen foreslår ordninger som virker. Bare en kort oppklaring: For det første ønsker også Fremskrittspartiet å hjelpe både innvandrerkvinner og innvandrermenn inn i arbeidslivet, på samme måte som vi ønsker å hjelpe folk med nedsatt arbeidsevne, funksjonshemmede, inn i arbeidslivet. Og jeg vil minne representanten Andersen om at Fremskrittspartiets alternative budsjett ikke har fjernet inntektssikringen for denne gruppen. Vi kom med en egen jobbstrategi på 1,5 mrd. kr mer enn det som regjeringen la opp til. Vi styrket arbeidsavklaringspengene nettopp for å ta høyde for at man skulle ha inntektssikring. Men det vi ikke ønsket, var å gi folk passive ytelser fremfor å bli aktivt fulgt opp for å komme tilbake til arbeidslivet. Jeg registrerer at der er det en stor forskjell: Fremskrittspartiet ønsker – og det står vi for – at folk skal hjelpes inn i arbeidslivet. Uansett om man er innvandrerkvinne, innvandrermann, funksjonshemmet eller en vanlig borger som er arbeidsledig, så skal man ha hjelp til å komme inn i arbeidslivet. Derfor har vi også sikret en bedre jobbstrategi, og vi har sikret at vi skal ha mer på arbeidsavklaringspenger, slik at man har inntektssikring. Det hopper representanten Karin Andersen glatt over. Den store forskjellen er at vi ønsker å hjelpe dem inn mot arbeidslivet fremfor at de skal bli gående på passive ytelser, mens SV ønsker at de skal bli værende på

Mitt klare inntrykk er at vi – i alle partier – deler intensjonen om å la folk også litt opp i årene fortsette å arbeide dersom de ønsker det. I de aller fleste tilfeller er det noe alle tjener på. Men vi har litt forskjellige innfallsvinkler. I den forrige runden vi hadde, kom flertallet likevel fram til et bredt kompromiss, der man ba regjeringen legge fram en sak om dette i løpet av neste vår. Det og som jeg understreket den gangen, er dette «en idé hvis tid har kommet». Det er snart 100 år siden 70-årsgrensen ble innført, og arbeidsliv og levealder er noe helt annet nå enn det var da. Det er på høy tid å tilpasse lovverket ikke bare til pensjonsreformen, men også til det faktum at vi ikke bare lever lenger, men også er friske lenger. Derfor er jeg litt skuffet over at vi ikke har kunnet kommet fram til et lignende Jeg deler forslagsstillernes utålmodighet i denne saken, og derfor fremmer Høyre, sammen med Fremskrittspartiet, et forslag om at også særaldersgrensene bør utredes. Logikken bak dette er ganske enkel: Mange særaldersgrenser er håpløst gammeldagse og til dels uforståelig lave for oss i dag. En politimann på 63 på vei oppover Karl Johan eller nedover Grønlandsleiret oser av autoritet. Å si at man ved fylte 63 brått per definisjon er ubrukelig som politimann, er en fornærmelse overfor alle oppegående mennesker. Ekstra ille blir det når et foreldet lovverk møter dårlig personalpolitikk og – om jeg skal måtte si det – en nesten uforståelig mangel på dømmekraft. Sykehuset Innlandet ga i vinter alle sine ansatte over 65 år ti dager på å si opp jobben sin, og hvis de ikke sa opp frivillig, ville sykehuset gi dem sparken. Mens man fra denne talerstolen snakker om flere varme hender, er det altså slik realiteten er. Derfor er det minst like betimelig å gå igjennom alle særaldersgrensene som det er å utrede 70-årsgrensen. På denne bakgrunn vil jeg dessuten også understreke at jeg har forståelse for det andre forslaget som fremmes, at fratredelsesplikten skal opphøre for dem som passerer særaldersgrensen, og som jobber i det offentlige eller i offentlig eide selskaper. På sikt vil jeg også dit. Jeg forstår som sagt forslagsstillernes utålmodighet, men som vi har understreket tidligere – dette er kompliserte problemstillinger, og nettopp derfor ber vi om en skikkelig utredning av særaldersgrenser, og det involverer også en dialog med partene i arbeidslivet. Derfor mener vi også at man ikke kan oppheve fratredelsesplikten før en slik utredning foreligger. Det er om å gjøre å gjøre tingene i riktig rekkefølge, derfor kan vi ikke støtte forslaget nå. Men helt til slutt, innen jeg tar opp det forslaget som Høyre er med på her, må jeg si at det er viktig at staten – ja, det offentlige – til enhver tid går foran med et godt eksempel. God seniorpolitikk dreier seg om respekt for mennesker og om samfunnets økonomiske verdier. Bare ved å forlenge yrkesaktiviteten med seks måneder kan det årlig utløses 28 000 nye årsverk

Da har representanten Sylvi Graham tatt opp det forslaget hun refererte til. Dette forslaget handler egentlig om to ting, men mest om én ting. Det handler om fratredelsesplikten. Men det handler aller mest om å gi dem som jobber i offentlig sektor, og som vil og kan

om at vi skal legge til rette for at folk skal kunne stå lenger i arbeidslivet. Forslaget går på to ting som vi kan skille mellom. For å ta særaldersgrensene først: Allerede i 2005 ble det fremmet forslag der man ba regjeringen foreta en gjennomgang av særaldersgrensene. Da vi senere behandlet pensjonsreformen, sa regjeringen i proposisjonen at man hadde gode grunner for å foreta en gjennomgang, og at man man hadde gode grunner for å foreta en gjennomgang, og at man skulle prioritere det. Siden har ikke Stortinget hørt noen verdens ting når det gjelder en gjennomgang av særaldersgrensen. Det har snart gått åtte år uten at regjeringen har kommet tilbake til Stortinget med det man lovte man skulle komme tilbake med. Det synes ikke jeg er et veldig høyt og godt tempo med tanke på at man ønsker å stimulere til at flere kan få stå lenger i arbeidslivet. Jeg har respekt for som også var begrunnelsen for at særaldersgrensen ble innført. Dette forslaget handler ikke om å oppheve særaldersgrensen, for jeg synes at folk som har hatt en lang dag på jobb, er reelt utslitt, skal få muligheten til å gå av når man har passert den nedfelte alderen. Men det vi foreslår, er endringer i der man fjerner fratredelsesplikten. Jeg mener at det er stor forskjell på å kunne få retten som ansatt til å kunne gå av når en ikke klarer stå lenger i jobb, og det å bli tvunget til å slutte. Det er en vesentlig forskjell. Derfor kunne jeg også i denne saken håpet at regjeringen – og jeg gleder meg til å høre statsråden etterpå – ville imøtekomme forslaget likevel, ved at forslaget likevel, ved at staten kunne gå foran. Det er det vi ber om: Kan vi som arbeidsgiver – der staten er hovedeier, i statlige selskaper og virksomheter – fjerne fratredelsesplikten? Kan vi sette oss ned og ta et initiativ overfor partene og få gjort det, sånn at vi kan gå foran som et godt eksempel eksempel og stimulere til at flere i offentlig sektor som vil og kan, kan få stå lenger i arbeidslivet? Det er det det handler om, og det håper jeg at man kan komme oss i møte på, for jeg tror det egentlig er full enighet i denne sal om at det er det man egentlig ønsker. Med det tar jeg opp det forslaget Fremskrittspartiet har i innstillingen. Representanten Robert Eriksson har tatt opp det forslaget han refererte til. Stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Anders Anundsen og Harald T. Nesvik har fremmet forslag
neste taler er
han refererte til. Stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Anders Anundsen og Harald T. Nesvik har fremmet forslag om at fratredelsesplikten for ansatte som har passert særaldersgrensen, skal opphøre i statlige selskaper og virksomheter der staten er eneeier eller majoritetseier. Videre bes regjeringen om å legge fram en særskilt gjennomgang av særaldersgrensene i offentlig og privat sektor, slik I lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn er den alminnelige aldersgrensen 70 år. Nådd aldersgrense innebærer både en plikt til å fratre stillingen og en rett til pensjon. Aldersgrensen kan likevel settes lavere enn 70 år dersom stillingen medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning, slik at den enkelte normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år. Alternativt er det et krav at stillingen stiller spesielle krav til fysiske og psykiske egenskaper som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år, enn det en forsvarlig utførelse av tjenesten tilsier. Lavere aldersgrense enn 70 år kalles ofte særaldersgrense. Hovedbegrunnelsen for denne særaldersgrensen er altså å skjerme arbeidsgiver og samfunn fra konsekvensen av at noen står i sin stilling uforsvarlig lenge. De fleste særaldersgrenser i offentlig sektor ble fastsatt for en god del år siden. I mange tilfeller er innholdet i de aktuelle stillingene annerledes enn den gangen hvor aldersgrensen ble fastsatt. Manuelle oppgaver kan ha blitt automatisert. Videre har levealderen i befolkningen økt over tid, og mye tyder på at helsetilstanden i eldre aldersgrupper jevnlig har blitt bedre. I mange tilfeller kan det i hvert fall være mulig og forsvarlig å stå lenger i arbeid enn det som er lagt til grunn da dagens særaldersgrenser ble fastsatt. Et sentralt spørsmål ved pensjonsreformen er å få folk til å stå lenger i arbeid. Å videreføre et system med lavere særaldersgrense for en stor yrkesgruppe støtter ikke opp om dette målet. Jeg er derfor enig med forslagsstiller i at det bør foretas en gjennomgang av særaldersgrensen i offentlig og privat sektor, kan ta ut alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen, dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. Det jeg er skeptisk til, er å fjerne plikten til å fratre for dem med særaldersgrense uten å se dette i sammenheng med øvrige deler av regelverket, som bl.a. retten til pensjon. Jeg mener videre at det ikke er hensiktsmessig å begrense eventuelle justeringer i særaldersgrensen til statlige selskaper og virksomheter staten er eneeier og medeier i. Det må også tas hensyn til at særaldersgrensene innebærer både rettigheter og plikter for dem som er omfattet. Endringer i regelverket for personer med særaldersgrenser bør derfor håndteres i samråd med partene i arbeidslivet, ikke gjennom et enkeltvedtak i Stortinget. Ved en slik gjennomgang må det også tas stilling til behov for eventuelle overgangsordninger.

år. Til spørsmål to: Jeg registrerer at statsråden er skeptisk når det gjelder å fjerne fratredelsesplikten, og at hvis man skal fjerne den, må det gjelde for alle. Der er jeg helt enig med statsråden. Men synes ikke også statsråden at det kan være en god sak å starte der hvor man selv er arbeidsgiver, i de virksomhetene man selv er majoritetseier, sånn at iallfall de som ønsker, ønsker, vil og kan jobbe lenger, skal få muligheten til å jobbe lenger og ikke bli tvunget til å gå av ved en bestemt dato? Nei, jeg synes ikke det, for disse spørsmålene mener jeg må være grunnlag for drøftinger med organisasjonene. Hele pensjonsforliket kom i stand gjennom at Stortinget sluttet seg til det, og at arbeidslivets parter var med på det. det. Jeg mener også at når det gjelder særaldersgrensene, er det viktig å drøfte det med organisasjonene. Nettopp derfor kan ikke jeg si at på det og det tidspunktet vil dette være gjort, nettopp fordi det må organisasjonene være med på. Det er ulike aldersgrenser for ulike yrkesgrupper, så det må håndteres på den måten, og jeg vil advare veldig sterkt mot å gjøre det til et resultat av en behandling av et stortingsforslag om dette spørsmålet.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

personer med rusmiddelproblemer, psykiske lidelser, flyktninger og vanskeligstilte barnefamilier. I en tid med høye leiepriser og et presset boligmarked er det viktig at kommunene kan tilby en stabil og trygg bolig til de mest vanskeligstilte. Her bør det spesielt nevnes at regjeringen har foreslått i revidert statsbudsjett for 2013 en videre styrking av Husbankens lånerammer med 5 mrd. kr, slik at den nå er totalt 25 mrd. kr. I stortingsmeldingen sier regjeringen at den vil opptil 40 pst. i tilskudd til utleieboliger for flyktninger og andre prioriterte grupper. Det vil være et viktig bidrag til mange presskommuner som opplever knapphet på boliger til vanskeligstilte. Komiteens flertall mener at det er viktig at sosialhjelpsutmålingen til fattige barnefamilier behovsprøves ut fra de samme kriterier i alle kommuner, og at resultatet skal gi familien et forsvarlig livsopphold ut Barn som lever i vanskeligstilte familier, skal ha god, rask hjelp og oppfølging. Da loven om sosiale tjenester i Nav ble vedtatt, forsterket Stortinget lovens formålsparagraf og satte inn en bestemmelse om hensynet til barn. Barn har egne behov, og det skal vurderes hva slags hjelp de kan trenge for at de kan få en trygg og god barndom. Det er gjennomført tilsyn med hvordan kommunen følger opp loven, og det er avdekket både manglende oppfølging og lovbrudd i mange kommuner. En samlet komité understreker viktigheten av at loven om sosiale tjenester i Nav følges opp, slik at vanskeligstilte faktisk får den hjelp de har rett til. Makspris i barnehager er det viktigste virkemiddelet for høy deltakelse i barnehage. Det eksisterer allerede et tilfredsstillende regelverk som sikrer barnefamilier med lavest betalingsevne, lavere utgifter eller fritak for utgifter til barnehageplass. SFO-tilbudet er i stor grad kommunenes ansvar, og det er allerede iverksatt moderasjonsordninger. Regjeringspartiene støtter at målet fortsatt er å utvide gratistilbudet, slik det blir gjort fra høsten 2013. Uoverstigelige gjeldsproblemer er det etter hvert mange i vårt samfunn som opplever. Det er i dag flere frivillige organisasjoner som får støtte til gjeldsrådgivning. De utgjør et viktig supplement. Mange som sliter med gjeld, har også andre problemer, knyttet til bl.a. helse, sosiale problemer eller manglende tilknytning til arbeidslivet. Mange med gjeldsproblemer vil derfor parallelt med håndtering av gjeld ha behov for helsetjenester, sosialfaglig oppfølging og arbeidsrettet bistand. Det krever samarbeid mellom ulike instanser, og det kan det være vanskelig for en gjeldsrådgivningstjeneste i privat eller frivillig regi å ivareta. Regjeringspartiene vil derfor prioritere å sikre kvaliteten i de offentlige økonomirådgivningstjenestene. I denne sammenhengen er det også viktig å se til tiltak som et offentlig gjeldsregister for å forhindre at flere tar opp mer gjeld enn det er mulig å håndtere. Flertallet er grunnleggende uenig i å gjeninnføre kontantstøtte for toåringer. Det er arbeid som er den beste veien ut av fattigdom. Mange kvinner har trukket seg ut av arbeidslivet i kortere eller lengre perioder som en følge av dette, og kontantstøtten i seg kan ha bidratt til at flere familier opplever lavinntekt. Å svekke kvinners tilknytning til arbeidslivet bidrar også til at det kan være vanskeligere å komme inn i arbeidslivet senere. Det er spesielt at høyrepartiene som ynder å snakke høyt om arbeidslinjen, støtter en ordning hvor man får betalt for å la være å bruke en barnehageplass. Det betyr færre kvinner i arbeidslivet, dårligere integrering og mer fattigdom på sikt. Samtidig ønsker Høyre og Fremskrittspartiet å kutte inntektssikringen til enslige forsørgere som ikke har arbeid, men som er i aktivitet, opplæring eller arbeidstrening, slik kravene er for å motta ytelsene. Det er ingen tvil om at dette vil øke barnefattigdommen og fjerne mulighetene de har til å ha en trygg inntekt mens de kvalifiserer seg. Å fjerne eller kutte barnetilleggene i uføretrygden vil også bety mer fattigdom hos barn. Et regjeringsskifte vil være et aktivt skritt mot økte forskjeller og mer fattigdom. Det burde forslagstillerne i Kristelig Folkeparti merke seg. Jeg anbefaler med dette opp innstillingen fra komiteen. En av de viktigste måtene å få hjulpet barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, er naturlig nok å hjelpe foreldrene til å komme inn i ordinært arbeidsliv og få et lønnet arbeid og på den måten få bedre inntekt. Det har vært diskutert grundig bl.a. i foregående sak og i et par andre saker i dag. La det være det overordnede og det viktigste. Men så ser vi også at det er mange barn som fortsatt lever i fattigdom. Det er barn som ikke kan delta på det som det er helt naturlig for andre barn å delta på. Det gjelder å kunne dra på skoleturer, det gjelder å oppleve en ferietur, det gjelder å delta sammen med resten av laget på en fotballturnering. Jeg har selv vært leder i et idrettslag der vi har hatt barn som vokser opp i gjort at man også har fått de barna inkludert og aktivt med. Det var ønsket at vi skulle få til en tverrpolitisk dugnad der alle partiene kunne sette seg

de fire ikke-sosialistiske partiene har klart å komme frem til 14 gode forslag som vil hjelpe flere barn til å få en bedre hverdag uten å leve i en hverdag preget av fattigdom. Derfor er jeg også glad for at de fire partiene som står bak dette forslaget, har klart å finne bevilgninger på 70 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett har klart å finne bevilgninger på 70 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett som vil styrke innsatsen mot barnefattigdom for andre halvår 2013. Vi ønsker sterkere samarbeid med frivilligheten. Vi kan bruke Ferie for alle som et eksempel. Det er et av prosjektene til Røde Kors, der over 1 000 unger hvert år som egentlig er kvalifisert til å delta i prosjektet, ikke får muligheten. Det er ikke fordi Røde Kors eller frivilligheten ikke har kapasitet, men fordi man ikke har råd eller penger. Man har ikke rammen for å gjøre det. Vårt forslag ville gitt de 1 000 barna en ferieopplevelse. Det har vi fått klart bekreftet fra frivilligheten. Hadde vi fått de midlene som dere legger inn i revidert nasjonalbudsjett og fulgt opp de forslagene dere fremmer, kunne vi ha gitt de 1 000 barna en god ferieopplevelse i sommer. Det sier regjeringspartiene dessverre nei til. Vi ønsker også å tenke nytt, bl.a. når det gjelder forslag nr. 12, hvor vi ville fått et bedre samspill mellom attføringsbedriftenes opplæringstilbud og de videregående skolene med en direkte linje der en kan ta tak i ungdommene som står i fare for å dette ut av skolen. Det er en grunn til at man faller utenfor. Det er en grunn til at man ikke lenger ønsker å gå på skolen. Hvorfor ikke gi disse kompetanse, opplæring på en annen arena, i større grad enn det som gjøres i dag? Dette er ikke et nytt forslag. Vi har jobbet med bl.a. attføringsbedriftene om dette forslaget, som man synes er godt for å kunne hjelpe flere til å fullføre utdanning og komme ut i arbeidslivet. Jeg har også lyst til å si noen ord om forslag nr. 13, som handler om å sette i gang et forsøksprosjekt mellom Nav og dagligvarebransjen. Dagligvarebransjen har også sin egen bransjeskole. Kiwi er en av de dagligvarekjedene som ønsker å få ungdom som faller utenfor skolen, kvalifisert til arbeidslivet. Det har vært store problemer – man har i to år forsøkt å få til en avtale med Nav for å få det på plass. Det har man ikke klart å få til. Jeg skulle ønske vi hadde en statsråd som kunne vært midtbanemotor for å få det på plass. I stedet for at de ungdommene havner på uføretrygd, kunne man gitt dem de naturlige arenaene

fører man f.eks. ved å ruste folk til arbeidslivet, gi folk behandling i helsevesenet hvis de har psykiske lidelser, hjelpe folk å mestre rusproblemer, sørge for at man ikke opplever sosial marginalisering og integreringspolitikk – alle de store tingene. Så har fattigdomsbekjempelsen en annen side. Det gjelder de små, enkle tiltakene, som ikke har til hensikt å fjerne fattigdommen med et pennestrøk – som ikke har de voldsomt store ambisjonene, men som har et veldig enkelt siktemål, nemlig å sikre at de som er i den situasjonen at de vokser opp i en fattig familie, får en litt enklere hverdag. Det er i den kategorien disse forslagene som de fire opposisjonspartiene presenterer, havner i. Dette er forslag som er små, og som ikke vil løse fattigdomsproblemene i Dette er forslag som er små, og som ikke vil løse fattigdomsproblemene i Norge. Det er på mange måter den stikk motsatte innfallsvinkelen av de store vyene om at man kan fjerne fattigdom med et pennestrøk, og at det bare handler om politisk vilje. Det er snarere små, viktige skritt som kan lindre effektene av fattigdommen for noen, men som ikke vil fjerne fattigdommen i Norge. Nettopp derfor er det det tiltak som er så enkle å gjennomføre, og som regjeringspartiene selvfølgelig er mer enn frie til å stjele fra. Jeg har lyst til å nevne en kombinasjon av tiltak, som jeg synes er spesielt viktige. Å få på plass integreringspolitikk, å få folk ut i jobb og å ruste folk for arbeidsmarkedet tar tid. Men det man kan gjøre med en gang, er å sikre at alle barn i Norge, uavhengig av hvilken kommune man bor i, har et minstemål av tilgang til en meningsfull fritid. I dag eksisterer det en fattigdomspott, som mange kommuner bruker på f.eks. utstyrslån. Noen kommuner har gode ordninger for at man f.eks. får dekket kontingenter. Andre kommuner har et slags kulturkort, som gjør at også barn som ikke har råd til det, kan delta på fotballkamper, teaterforestillinger og den slags. Det er etter min mening ingen grunn til at ikke alle kommuner skal ha slike ordninger. Hvorvidt man burde pålegge det og uniformere ordningen fra sentralt hold, er jeg mer usikker på. Men det er ingen grunn til at ikke alle kommuner i Norge, uavhengig av om de er røde eller blå, styrt av Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV eller Kristelig Folkeparti, skal ha slike enkle ordninger, nettopp fordi de er billige, fordi de skaper mye glede hvis man gjør det på en riktig måte, og fordi det er så fryktelig enkelt å sette i gang.

den rene nød, men at man føler seg så mye mer annerledes enn alle andre, og at man ikke kan delta i det samfunnet som er så preget av at man har penger, og at alt koster penger. Ikke bare det: Det verste er kanskje at jeg ser stygge tendenser til at vi ikke respekterer folk med dårlig råd på samme måte som andre folk. Det merker ungene, og det tror jeg er det verste.

oppsiktsvekkende forferdelig. For svært mange kommuner gjør ikke det som loven pålegger dem. De skal ta hensyn til barn, de skal sikre at barn får en god oppvekst og får de tingene som vi alle er opptatt av. Det er litt rart at en del av de forslagene som fremmes her i dag, gjelder kommunepolitikk. Jeg vet at forslagene blir fremmet i f.eks. Oslo og Tromsø. Da er det opp til kommunepolitikerne der å gjøre det som representanten Røe Isaksen var innom i Oslo og Tromsø. Da er det opp til kommunepolitikerne der å gjøre det som representanten Røe Isaksen var innom i stad. Som han sa: Det er små tiltak, og det er et kommunalt ansvar. Han var ikke engang sikker på om det er nødvendig at staten skal pålegge dem tiltakene. Jeg skulle veldig gjerne ha gjort det. I de kommunene som Høyre har ansvaret for, er det fullt mulig å sette i gang med dette. Så gjør det! Det er et ansvar, og kommunene tar ikke det ansvaret i dag. Stortinget har pålagt dem å gjøre det, og det må skje. Det er ikke mulig å inngå i en felles dugnad med partier som faktisk

bort. Dette gjelder de familiene som Nav sjøl i sin rapport sier har to og en halv gangs risiko for å ende opp i evig fattigdom. Man går målrettet på dem og fjerner inntekten og grunnlaget de kan stå på mens de kvalifiserer seg. Ordningen virker. Det er

også. Vi sliter med å få innvandrerkvinnene i jobb – ja, vi gjør det. Men de store, viktige tiltakene som opposisjonen fremmer forslag til, virker i motsatt retning. Derfor er

Det foreligger 9 forslag fra Kristelig Folkeparti om å bekjempe fattigdom. Hvis jeg forholder meg til Høyre og Fremskrittspartiet, er de to partienes fremste kritikk av regjeringspartiene at man bruker for mye penger på fellesskapets hånd, at vi har en for stor del av bruttonasjonalproduktet over fellesskapet hvis formål er å sikre verdige forhold for mennesker. Vi er i den situasjonen at disse 23 forslagene lider den skjebne at de «vedlegges protokollen», og at det så i en eller annen form skal framstilles som om regjeringspartiene er mindre offensive når det gjelder å gi verdige forhold gi verdige forhold blant mennesker enn det opposisjonen er. Det er noe spesielt norsk over dette, synes jeg. Jeg vet ikke hvordan det er i andre land, men jeg må si at det er litt spesielt norsk at det er en slags konkurranse i å være hyggeligst mot hverandre og snillest mot hverandre på områder som i mange tilfeller er ganske små, når vi samtidig har de store skillelinjene, og regjeringspartiene blir angrepet for at regjeringspartiene blir angrepet for at en for stor andel av bruttonasjonalproduktet går over fellesskapet – nettopp fra spesielt Høyre og Fremskrittspartiet, men også i økende grad fra Venstre. Det å ha det materielt trygt og godt har med verdighet å gjøre, og det er arbeidslivets organisering, det er de trygdeordningene vi har, det er den boligpolitikken vi kan føre, og det er den solidariteten vi har i hverdagslivet, som avgjør det.

en nasjonalstat som har herredømme over de nødvendige politiske virkemidler, sånn at man kan korrigere markedet og dermed sikre et samholdssamfunn som er vesentlig mer sentralt på viktige livsområder, enn det et markedssamfunn vil kunne være. Dette med kommunal velferd er jo helt avgjørende. avgjørende. Vi ser en rekke kommuner som er dyktig på dette og greier å ha forebygging, som greier å ha en ansvarsoppbygging i hele livsløpet til mennesker, og som greier å gripe inn på et tidlig tidspunkt og hjelpe – det skal mange ganger ikke så veldig mye til, når en er tidlig ute. Vi vet at det er mange trygge lokalsamfunn rundt om i Norge, hvor det ikke er så stor grad av flytting, innflytting og det hele – det er en stor grad av stabilitet. Man kjenner naboen, det er sterke frivillige organisasjoner, og det er folk som tar ansvar og hjelper hverandre. Dette er noe av det som virkelig er den sterke delen av norsk kultur, som har gitt egalitære samfunn, og som er et bolverk mot ulike former for fattigdom. Jeg vil avslutte med å si at en kan fremme slike forslag, og det er bra, men det er de store økonomiske og politiske linjene som avgjør i hvilken grad vi greier å skape verdighet mellom mennesker. Jeg kunne håpe at i hvert fall noen av de partiene som står bak dette, i større grad kunne være med på det laget som altså legger til rette for jamnbyrdige forhold i alle deler av samfunnslivet. Da ville diskusjonen om fattigdom få en større grad av ærlighet over seg. Politikk handler om å skape et stadig bedre samfunn. Et samfunn som er

men de vil være viktige skritt på veien mot en bedre fattigdomspolitikk. Når det gjelder det ene dokumentforslaget, er det spisset nettopp mot barn. Tiltakene er konkrete, og det vil hjelpe mange fattige barn til å få gode tiltak som de i dag kanskje ikke har, som flere har vært inne på. Jeg tror få av oss i denne sal forstår hvordan det er å vokse opp i fattigdom i dagens Norge. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, kan ikke på noen måte lastes for den økonomiske situasjonen de er i. Derfor bør vi ta et ekstra ansvar for å sikre at denne gruppen blir inkludert på så mange arenaer som mulig, på en likeverdig måte. Ingen er uenig i det. Men vi må tørre å tenke bredere både om hva man kan gjøre for å bekjempe barnefattigdom, og hvem som kan gjøre det. Det viktigste er tross alt stadig å nærme oss målet om å løfte flest mulig barn ut av fattigdom, og nå har det gått litt den gale veien når det gjelder barn under 18 år. Et egnet tiltak som jeg har lyst til å nevne, som vi fremmer, er å sikre at alle barn fra økonomisk vanskeligstilte familier skal få tilgang til utstyrslån til fritidsaktiviteter og handler fattigdom kanskje først og fremst om manglende mulighet til å delta i aktiviteter på linje med andre barn. Det handler om barns verdighet og deres mulighet til utfoldelse og utvikling. Det er bra at regjeringen støtter en prøveordning med opplevelseskort for barn og unge i lavinntektsfamilier i Møre og Romsdal. Et slikt tilbud er likevel noe vi skulle sett i alle fylker. Jeg er sånn sett skuffet over regjeringens manglende vilje til å satse større på dette. Så har jeg lyst til å løfte frem de frivillige organisasjonene, som på en utmerket måte stiller opp hvor det offentlige ikke strekker til. Gjennom de frivillige organisasjonene får mange barn i en vanskelig situasjon et tilbud om aktivitet og deltakelse. Kristelig Folkeparti har lenge sagt at uten frivilligheten stopper Norge også hva gjelder bekjempelse av barnefattigdom, ser er vi at frivilligheten er en avgjørende medspiller. Det er derfor svært viktig ikke å undervurdere frivillighetens innsats, men heller trappe opp tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, og tar et krafttak slik at de kan yte fritidstilbud til barn som har behov for det. Jeg vil også nevne det andre representantforslaget, som ikke så mange har vært inne på her i dag. Det er sak nr. 26 – det mer generelle representantforslaget fra Kristelig Folkeparti om fattigdom. Jeg vil ikke gå inn på alle forslagene der, men bare nevne noen. Det er en bekymring som jeg synes er ganske stor. Det gjelder ikke i alle kommuner, men det gjelder faktisk i ganske mange. Etter at vi fikk maksimalprisen i barnehagene, har en del kommuner økt SFO-satsene, slik at de har eksplodert. Mange har faktisk ikke råd til å ha barna i SFO-ordningen. Sånn sett ønsker vi en ytterligere gradering både av barnehagesatser og SFO-satser for de aller fattigste. Når det gjelder tannhelse, kunne jeg holdt et langt foredrag. Det er mange år siden – det var i første stortingsperiode til at tannhelse virkelig skulle settes på dagsordenen. Veldig lite har skjedd. Det har skjedd noe – noen små skritt – men vi venter alle på en tannhelsereform i større format. De aller fleste partiene i denne sal har tatt til orde for det. Så til kontantstøtten: Den varer altså bare i ett år, jeg må få lov til å nevne det. Vi ønsker to år i dette forslaget. Men slik som en del representanter snakker her, skulle man nesten tro at kontantstøtten varer til de blir konfirmanter eller begynner på skolen. Man skulle nesten tro at det var uheldig for en del barn at foreldrene satser på å være hjemme med dem, kanskje litt ut over ett- og toårsalder. Det er det faktisk ikke. Vi burde hatt valgfrihet – mer enn det denne regjeringen vi nå har, ønsker. Til slutt tar jeg opp forslagene fra Kristelig Folkeparti i sak nr. 26. Representanten Laila Dåvøy har tatt opp de forslagene

nettopp fordi barn er helt uten skyld i den situasjonen de fødes inn i og vokser opp i. Ingen velger sin egen barndom. Derfor må støtteordningene som er avgjørende for barns livs- og oppvekstvilkår, være rause. Venstre har vært opptatt av barnefattigdom lenge. Venstres forrige leder, Lars Sponheim, tok på et folkemøte i 2009 initiativ til et felles politisk løft for å redusere fattigdommen blant barn spesielt. Dette initiativet ble positivt møtt av både statsministeren og de øvrige Med dette ferskt i minnet fremmet nåværende leder, Trine Skei Grande, den første dagen det nye Stortinget var samlet etter valget i 2009, et forslag til konkret oppfølging av et fellesløft for å bekjempe og redusere fattigdom blant barn og i barnefamilier. Dette var Venstres første forslag i en ny periode. Det viser hvor viktig dette er for Venstre. Hun forventet at det var en reell vilje til å gjøre det alle var enige om tre uker før valget. Hun trodde at vi i det minste kunne bli enige om å legge all partipolitisk prestisje til side, og se om vi i fellesskap kunne finne fram til en tiltakspakke for å bekjempe fattigdom blant barn – men nei. Det må unektelig være et paradoks for en regjering som lovet å avskaffe fattigdommen, at det etter åtte års regjeringstid har blitt flere fattige barn i Norge. Ifølge SSB er det nå 74 000 barn under 18 år som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det er 6 500 flere enn da denne regjeringen overtok makten i 2005.

fattigdom, og spesielt fattigdom som har med barn å gjøre, høyt opp på den politiske dagsordenen. Jeg forstår det slik at forslagsstillerne støtter denne dagsordenen og betydningen av en løpende diskusjon om hvilke grep som bør og kan tas. De to representantforslagene inneholder en rekke enkeltforslag. Hvert enkeltforslag er kommentert i mine skriftlige svar til komiteen. Mange av inntektsområdene som foreslås styrket, er styrket eller aktivitet er igangsatt – under denne regjeringen. Så i den grad representanten Røe Isaksen sier at det her er mange tips å hente for regjeringen, synes jeg at mange av de forslagene som er fremmet av opposisjonen, bærer preg av å være tips de har fått fra regjeringen selv. Ett eksempel på det var da jeg var kulturminister og vi ga støtte til kulturkort, som handler om at kommunen går foran og gir gratis adgang til kino, svømmehall, svømmehall, museer og teater. Det har ikke kostet kommunen noe, for de har brukt eksisterende tilbud, men det er jo ett eksempel på at fattigdom i vår tid handler mindre om at man ikke har penger til mat. Det handler om mangel på felles opplevelser, at det er noen unger og ungdommer som ikke har noe å fortelle fra helgen, som ikke deltar i svømmehallen og på fritidsaktiviteter, sånn som andre unger. Vi har styrket mange av disse ordningene, bl.a. aktivitet og deltakelse for utsatte barn, i regi av frivillige organisasjoner. Vi har også mottatt kritikk fra en del av opposisjonspartiene for at vi er for instrumentelle i vårt syn på de frivillige organisasjonene. De mener at de skal ha en rolle med tanke på inkludering. Men jeg mener at dette nettopp er de frivillige organisasjonenes rolle. Et knippe enkelttiltak – om de er aldri så gode – kan ikke alene løse fattigdomsutfordringene. Forslagsstillerne bak forslagene om tiltak mot barnefattigdom oppsummerer med at de viktigste tiltakene på lang sikt vil være et sosialt utjevnende skole- og arbeidsliv med plass til alle. Det er jeg fullt og helt enig i. Forslagsstillerne vil imidlertid med sine forslag prioritere målrettede tiltak mot dem som trenger det mest, framfor brede ordninger. Det er jeg ikke udelt enig i, da jeg mener at fattigdom må bekjempes på både kort og lang sikt. Jeg mener at den nordiske velferdsmodellen med sterke fellesskapsløsninger og et universelt sikkerhetsnett har bidratt til en jevn inntektsfordeling, og begrenset omfanget av fattigdom. Et eksempel med gratis kulturskoletimer for alle er viktig viktig fordi det er universelt. Det hjelper ikke bare dem som har minst, men det er et tilbud for alle. Det å forebygge fattigdom hindrer at fattigdom overføres til nye generasjoner. Vi må derfor se på hvilke forhold i samfunnet, hvilke samfunnsstrukturer, som bidrar til å skape og opprettholde sosiale og økonomiske forskjeller, og da er lønnsarbeid og sterk tilknytning til arbeidslivet den viktigste enkeltfaktoren som forhindrer fattigdom. Ifølge EUs lavinntektsgrense vil en familie kunne bli definert som fattig dersom man har tre barn, mor er hjemmeværende, og far tjener 600 000 kr eller mindre – da kommer en under det som er lavinntektsgrensen. Regjeringens arbeid er derfor rettet mot det å gi flere mulighet til å velge arbeid og aktivitet framfor stønad, og kvalifiseringsprogrammet er et eksempel på et målrettet tiltak som gir langtidsmottakere av stønad muligheten til å komme i arbeid. Et annet er Jobbsjansen, som representanten Andersen har snakket varmt og godt om i dag, som er et eksempel på tiltak som gir hjemmeværende innvandrerkvinner mulighet til å delta i opplæring og kvalifisering. Jeg mener at velferdsordninger må utformes slik at de støtter opp om målet om arbeid til alle. Et reelt, rimelig og godt tilbud om barnehage og SFO er eksempler på for at valget ikke lenger skal måtte stå mellom arbeid eller omsorg. Stønadene må også være utformet på en slik måte at det er mer lønnsomt å arbeide enn å motta trygd. Derfor er det uforståelig at opposisjonen ønsker å øke og utvide kontantstøtten, all den tid vi vet at blant dem som står i fare for å havne i lavinntektsfamilier, er mor ofte utenfor arbeidslivet. Regjeringens langsiktige innsats mot fattigdom må likevel kombineres med kortsiktige tiltak for å hjelpe barn som faller utenfor, her og nå – barn som ikke får dra på sommerferie eller delta i bursdager. Regjeringen vil derfor målrette og styrke ordninger som møter de ulike barnas behov for å delta i fritidsaktiviteter og ferietilbud. Det blir replikkordskifte. I brevet som statsråden har gitt komiteen, står det at det på enkelte områder er

offensive nok? Vil de kunne redusere fattigdommen blant barn under 18 år, som har økt de senere år? Noen av tiltakene kan redusere antall barn under fattigdomsgrensen, men ikke alle. Jeg har vært så heldig å ha vært barne- og likestillingsminister og har tatt over departementet etter representanten. De tiltakene som vi offensivt gjennomførte etter representanten. De tiltakene som vi offensivt gjennomførte etter at Bondevik-regjeringen gikk av, reduserer ikke nødvendigvis antall barn under fattigdomsgrensen. Det handler om å gi tilbud om ferie og fritidsaktiviteter. EUs fattigdomsgrense og OECDs fattigdomsgrense går utelukkende på inntekten. Det at vi har redusert barnehageprisene, reduserer ikke nødvendigvis det antall personer som er definert til å være under EUs fattigdomsgrense. Mange av tiltakene bidrar til at barnefamilier får det bedre – får billigere barnehager og flere fritidsaktiviteter. Men det som virkelig gjør noe med fattigdomsgrensen, er en mor ute i jobb. Da er mer kontantstøtte et veldig dårlig forslag. Jeg hører hva statsråden sier. Jeg er enig i at vi skal ha målrettede tiltak. Statsråden snakker om ferie for barn. Jeg mener å huske at det koster ca. 8 mill. kr – kanskje mindre. Dersom Røde Kors hadde fått det, ville de kunne gitt 100 pst. av de barna som søkte om et ferietilbud, sommerferie denne sommeren. Dette utgjør egentlig ikke veldig mange midler i et stort statsbudsjett. Mitt spørsmål er: Synes statsråden det er tilfredsstillende at et så godt tilbud som ferie for barn bare dekker 50 pst. av antallet som søker? Er det offensivt? Det er i hvert fall mye mer offensivt enn det barne- og likestillingsdepartementet som Laila Dåvøy representerte, for det ga jo ingen type støtte til tiltak i den størrelsesordenen vi nå har fått. Det betyr at vi er mye mer offensive nå enn før. Røde Kors har fått mer penger. Det har vi også gått inn for i statsbudsjettet for inneværende år på Navs område. De gir mer støtte til ferie- og fritidsaktiviteter. Det er viktig. Jeg er meget stolt over at denne regjeringen har hatt en langt mer offensiv holdning enn den forrige regjeringen på dette punktet. Statsråden sier selv at noe av det viktigste er å legge til

vil statsråden ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2014 kunne garantere at disse barna får innvilget sin etterlengtede ferie – iallfall fra 2014? I en nasjon som i fjor hadde et overskudd på 400 mrd. kr, kan statsråden unne disse barna 10 mill. kr? Det jeg kan garantere, er at er at vi bruker mer penger på ferietilbud enn før, og at Røde Kors har fått økte midler til sitt prosjekt Ferie for alle. De ble senest økt i 2013. Jeg er stolt av å kunne øke disse midlene. Men svaret mitt – på dette området som på alle andre områder – er at når det gjelder statsbudsjettet for 2014, kommer jeg å si hva som kommer, når det blir presentert. Jeg registrerer at statsråden ikke vil si hva som kommer. Det vil forhåpentligvis bli slik at statsråden får legge frem statsbudsjettet, men at det kommer en tilleggsproposisjon, slik at det blir et annet flertall som får på men at det kommer en tilleggsproposisjon, slik at det blir et annet flertall som får på plass de gode tiltakene. Mitt neste spørsmål går på at det er veldig mange ungdommer som dropper ut av skolen, og på dagligvarebransjens tilbud om bransjeskoler, der bl.a. Kiwi har jobbet veldig aktivt med å ta tak i disse ungdommene, i stedet for at de skal havne på uføretrygd. Arbeid er den beste måten å sikre inntekt og unngå fattigdom på. Vil statsråden ta initiativ til å løse floken mellom Kiwi og Nav, slik at man på en positiv måte kan bruke dagligvarebransjen til å få ungdom i aktivitet, og slik at de får en alternativ utdanning, fremfor å bli uføretrygdet? Det vi støtter, er at ungdom skal få flere tilbud om opplæring i ordinært arbeidsliv, for vi ser at det virker. Når det gjelder den konkrete saken om Kiwi, er jeg helt sikker på at Nav har det for øye

men det er viktig at vi stiller krav til dem som tar imot ungdommer på utplassering.

Er statsråden sikker på at alle kommunene har den nødvendige dimensjonen på den økonomiske rådgivningen? Min erfaring etter å ha vært ordfører i 14 år er nemlig at våre kommuner hadde et bedre økonomisk rådgivningskontor før Nav-reformen, som igjen ble erstattet med delvise stillinger rundt omkring i de forskjellige kommunene. Er statsråden trygg på at det er tilstrekkelig økonomisk rådgivning i kommunene?

Den landsdekkende økonomirådgivningstelefonen ble etablert i 2009. Tjenesten er et lavterskeltilbud, som har som formål å gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning. Dette tilbudet blir styrket når vi får bedre opplæring. Mange kommuner har et veldig godt tilbud, men ikke alle tilbud er gode nok. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet,

Det ene er at høyresiden, opposisjonen, prøver å unngå alt som dreier seg om de grunnleggende strukturer i et samfunn, og det andre er at en snakker om enkelttiltak som om de skal redde verden. Den viktigste grunnleggende strukturen i samfunnet i dag er at vi har skapt et samfunn som har arbeid til nesten alle. 340 000 nye arbeidsplasser er det viktigste tiltaket for å hindre at barn og voksne opplever fattigdom. Thor Erik Forsberg, representanten fra Arbeiderpartiet, viste til tilsynsrapporten og undersøkelsen i Nav om hvorvidt de faktisk følger opp sitt ansvar for å ivareta barns behov, noe som under denne regjeringen kom inn i formålsparagrafen. De fant mye som de skulle forbedre. Nettopp fordi vi hadde fått det i lovs form,

som kommer fra den blå-blå regjeringen. Det eneste det ligger an til, er at de som har mer, skal få mer. 100 mrd. kr i skattekutt til dem med høye inntekter er ikke godt for barna – heller ikke for fattige familier, som ikke har en inntekt å få skattekutt på. Vi vil ha mer kultur. Sannsynligvis blir det mindre kultur med en blå regjering. Vi vil ha flere tiltak for å gjøre integreringen bedre. Høyresiden vil ha færre. Vi vil at alle barn – rike og fattige – skal bli kjent med hverandre i en felles skole. Høyresiden vil fjerne valgfriheten for de fattigste. De vil aldri ha råd til å kjøpe privat utdanning eller private helsetjenester. Kristelig Folkeparti har erfaring med å sitte i regjering. Forrige gang, da Laila Dåvøy var barne- og familieminister, økte andelen fattige fra

som har ønske om å legge til rette for dem som virkelig har behov her i dette samfunnet, er ikke bra. Jeg kommer – riktignok for snart fire år siden – fra en kommunal tradisjon. Der satt jeg i 14 år og var helt enig med mine politiske kolleger om at vi kunne være enige om målet, og at vi kunne respektere hverandre selv om vi trodde på forskjellige midler for å nå det. Jeg ser ikke fnugg av det her i dag. I 2005 var det – ifølge EUs målemetode for fattigdom – 91 000 barn i alderen 0–17 år, altså 8,7 pst., som kunne betegnes som fattige. I 2011 var tallet 106 000 barn, tilsvarende 9,5 pst., skriver Dagbladet. Antall og andel fattige barn har vokst under denne regjeringen – det er regnskapet etter åtte år med den regjeringen som sa de skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk, og at det kun handlet om politisk vilje. Vi bør kunne bli enige om én ting i denne salen, og det er at vi må sikre de sosiale sikkerhetsnettene som gjør at ikke barna som vokser opp i lavinntektsfamiliene, kan lastes på noen måte for det, som vokser opp i lavinntektsfamiliene, kan lastes på noen måte for det, og at samfunnet derfor bør ta et ekstra ansvar for å sikre at den gruppen blir inkludert på så mange arenaer som mulig, på en likeverdig måte. Høyre har aldri trodd at dette var en enkel problemstilling, men de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom, inkludert barnefattigdom, er selvfølgelig på lang sikt godt sosialt utjevnende skoler og et åpent arbeidsliv med plass til alle mammaer og pappaer. men de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom, inkludert barnefattigdom, er selvfølgelig på lang sikt godt sosialt utjevnende skoler og et åpent arbeidsliv med plass til alle mammaer og pappaer. Disse «små» forslagene vi fremmer i dag, representerer 70 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett, som kommer om noen få dager. Det ville vært viktige skritt, og jeg synes det er uverdig at regjeringspartiene forsøker å late som om det bare er de som har sosial

når man i andre saker fremmer forslag som fjerner det sikkerhetsnettet som representanten Graham nå var oppe og snakket om, f.eks. overgangsstønaden, som er en trygghet for de fattigste familiene der en har én forsørger. Dette funker for at folk skal komme i jobb. Det er da dette blir vanskelig. Det er en del av disse forslagene som ikke er store, og de er i hovedsak – mange av dem – et kommunalt ansvar. ansvar. Forslagene vil bli fremmet i Oslo og Tromsø av SV, og da er det fullt mulig for Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre, som sitter med ansvar i disse kommunene, å gjøre dette. De er pålagt etter lov om sosiale tjenester i Nav å gjøre disse tingene. tingene. Det er mulig at Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet nå mener at dette ansvaret skal legges i sin helhet på staten – det er godt mulig. Det er SV uenig i. Vi ønsker at disse forslagene skal realiseres der de hører hjemme. Representanten Graham sier også der man samarbeider. Ja, det skjønner jeg, men det er også dessverre dokumentert nå i fire rapporter fra Helsetilsynet at den kommunale tradisjonen ikke er å følge sosialtjenesteloven. Det mener jeg er en meget alvorlig sak, som vi er nødt til å se nærmere på, og vi må få strammet opp dette.

nettverk enn vi andre har vært heldige å ha. For å si det sånn; for å oppdra unger trenger en ofte mange voksne. Vi samarbeider i veldig stor utstrekning med de frivillige organisasjonene. Det skal vi fortsette med, fordi det er viktig, og det er riktig. Det er sent nok, og det er sørgelig at en må forlenge debatten, men det som fikk meg til å ta ordet, var representanten

Henriksen til heller å lytte til det som blir sagt i debattene fra denne talerstolen, fremfor å komme med manus som er skrevet ferdig kvelden før, for det kan være opplysninger som kommer fra denne talerstolen som er verdt å lytte til og verdt å ta med seg i debatten. Det vi står her og sier, mener vi faktisk. Det er ikke noe som er oppdiktet. Vi har ikke sagt at vi fremmer enkelttiltak som om det skal redde verden, vi har sagt at dette er et lite, viktig steg i riktig retning. Ingen av oss har brukt begrep som at dette er saliggjørende og skal redde verden. Vi har sagt at det er et viktig og riktig steg i riktig retning. Samtidig registrerer jeg – også innenfor denne regjeringsperioden – at vi nå har over 700 000 utenfor arbeidslivet. Når representanten Henriksen sier at høyresiden ikke vil ha en makspris på barnehager, vil jeg minne om at vi for en del år tilbake inngikk et barnehageforlik barnehageforlik hvor alle politiske partier var enige om en makspris. Meg bekjent har ikke regjeringen foreslått å endre den maksprisen, verken i forrige eller inneværende periode, så det ligger vel fast når det gjelder barnehageforliket. Jeg synes man skal være litt mer edruelig når man bruker retorikk i sine innlegg fra denne talerstolen. Representanten Karin Andersen har hengt seg opp i den ene tingen, og det tingen, og det er overgangsstønad. Hvis man ønsker å hjelpe de enslige mødrene også tilbake til arbeidslivet, hvorfor ikke da tilby dem arbeidsavklaringspenger mens de blir kvalifisert til å komme ut i arbeidslivet, som for mange av dem kan gi en bedre inntekt enn overgangsstønad? Hvorfor ikke sørge for at de får den individuelle de får den individuelle oppfølgingen, den lange og tette oppfølgingen som gjør at de kommer tilbake til arbeidslivet? Hvorfor ha to ytelser som skal nå akkurat det samme, hvorfor ikke effektivisere det, gjøre det bedre og få en mer samlet opptreden overfor de familiene? Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 25 og 26. Da er Stortinget klar til å gå til votering

som vi har, er det

dem som

sa for to

Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt fram 97 forslag. Det er forslag nr. 1, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 2, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 3–49, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 50–82, fra Trond Helleland på vegne av Høyre og

Grønn bekrefter at du har stemt feil.

Men mener representanten at det var ønskelig at Høyre skulle få anledning til å stemme for forslag nr. 1? Så vidt jeg vet, er ingen av de varslingene som jeg kommer til å referere til, tatt opp fra talerstolen, i hvert fall ikke alle. Noen av dem er levet skriftlig, og forslag nr. 1 sto ikke på den listen. Men vi tar det gjerne om igjen, slik at det blir et korrekt uttrykk for partienes holdning. Vi går da tilbake og starter voteringen over det innkomne forslag på nytt. Det betyr at vi må skille forslag nr. 1 og forslag nr. 8, for jeg forstår det fremdeles slik at Høyre ikke skal stemme for forslag nr. 8? Da har ikke dere sett den listen som er Jeg kan bekrefte at Harald Grønn kom med listen i hånden, og jeg har sett den. Så listen er levert inn. Men da får vi ta stemmeforklaring underveis. Det var meningen at vi skulle ta Ønsker Høyre å stemme for de forslagene, tar vi voteringen på nytt. Ja, både … Ja, men vi kan ikke ha noen debatt nå. Hvis jeg kan få stemmeforklaring for hvert enkelt forslag, ja eller nei, skal vi klare å få gjennomført denne voteringen i løpet av natta. Ønsker Høyre at vi skal stemme over både forslag nr. 1 og forslag nr. 8 på nytt? Ja. Da

nå skal

Det betyr i så fall at Høyre nå varsler at de ikke ønsker å stemme for forslagene nr. 3–5 og 7. Er det riktig oppfattet? Ja. Det er heller ingen andre som har varslet støtte til de forslagene, og vi går til votering. Det voteres